om permisjon i tiden fra og med 1. desember til og med 5. desember for å delta som valgobservatør for Europarådets parlamentariske forsamling under valget til nasjonalforsamling i Russland fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Inga Marte Thorkildsen fra og med 28. november og inntil videre fra Senterpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Geir Pollestad fra og med 28. november og inntil videre videre fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om omsorgspermisjon for representanten Dag Ole Teigen i tiden fra og med 28. november til og med 2. desember Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Første vararepresentant for Rogaland fylke, Arne Bergsvåg, befinner seg for tiden utenlands og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget under representanten Geir Pollestads permisjon. Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i HansenFor Hordaland fylke: Torill VebenstadFor Rogaland fylke: Terje Halleland og Magnhild EiaFor Vestfold fylke: Lars Egeland – Det anses vedtatt. Torill Vebenstad, Terje Halleland og Lars Egeland er til stede og vil ta sete. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil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

gode barnehagar for alle ungar. Komiteen viser til at det vil bli lagt fram ei stortingsmelding på barnehageområdet hausten 2012. Dette vil vere ei melding om framtidas barnehagar, ei melding der det blir viktig å finne fram til gode strategiar og tiltak som gjer at barnehagane kan tilby alle ungar eit rikt, stimulerande og

Det er viktig å behalde dei som allereie er der, samtidig som ein er nøydd til å rekruttere nye. Eg er glad for at regjeringa har eit stort fokus på dette området og arbeider med ein storstilt rekrutteringskampanje, som vil bli lansert tidlegast våren 2012. Det er viktig at me får fleire til å søkje førskulelærarutdanninga, og auke statusen for yrket og for barnehagen som arbeidsplass.

at obligatorisk språktesting i beste fall var bortkasta ressursar. Dei tre partia fremma den gongen dette forslaget: «Stortinget ber regjeringen ikke innføre krav om at alle barnehager skal gi tilbud om språkkartlegging ved treårsalderen.» Me ville ikkje den gongen og vil ikkje no at det skal vere obligatorisk for alle barn, men at det skal vere obligatorisk for alle barnehagane å tilby språkkartlegging ved treårsalder. I mars i fjor

Er det slik som det kan verke, at høgresida snur kappa etter vinden? Eg har nokre gonger lura litt på kva som er ein Høgre-vind, men inntrykket mitt har festa seg ytterlegare no, at det ofte er vinden som styrer høgresida, og ikkje omvendt. Under behandlinga av stortingsmeldinga om kvalitet i barnehagen seier representanten Horne frå Framstegspartiet at å begynne med obligatorisk testing av treåringar når det gjeld språk, ikkje er det rette, og at Framstegspartiet er sterk motstandar av at ein skal få ei obligatorisk språktesting av desse ungane. Framstegspartiets representant Ib Thomsen meinte at desse kartleggingane kunne minne om noko som gjekk føre seg i Kina og i tidlegare Aust-Europa, og konkluderte med at det var Kvar meiner Thomsen at forslaget frå Framstegspartiet og Høgre i dag høyrer heime? Språkkartlegging er ikkje det same som ferdigheitstesting, slik ein t.d. har i skulen. Det har me sagt lenge. Språkkartlegging i barnehagen blir gjennomført mest gjennom observasjon eller ved dynamisk bruk av kartleggingsverktøy, som t.d. TRAS. Formålet med språkkartlegging skal vere å sikre at barnehagane oppdagar barn som har behov for særskild språkstimulering. Arbeidarpartiet meiner – i år som i fjor – at barnehagane er ein unik arena for å oppdage mangelfull språkutvikling. Eg etterlyser ei oppklaring i det seminaret det kan verke som om høgresida har med seg sjølv om dagen når det gjeld kva dei meiner om

Vi har en flott barnehage i landet vårt i dag. Det er mange barn – noe vi også kan se i nyhetene i dag – som går i barnehage og bruker det tilbudet. Vi har vel noen av de flotteste barnehagene i verden, og vi har også et utbygd tilbud, som gir det beste til de familiene som ønsker å bruke barnehager. For Fremskrittspartiet er det viktig at vi har et mangfold i barnehagene. barnehagene. Hadde det ikke vært for de private barnehagene, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Derfor var det gledelig at vi hadde barnehageforliket, der Fremskrittspartiet og SV kunne stå sammen og likestille offentlige og private barnehager. Men situasjonen i dag er at regjeringen, med SV i spissen, ikke har oppfylt det forliket som ble inngått, om å likestille offentlige og private barnehager. De rammevilkårene og den likebehandlingen – som det så fint heter – oppfylles ikke i dag, og vi har sett at veldig mange av Det blir så fokusert på at det er noen få barnehager som tar ut utbytte, istedenfor å fokusere på at det er veldig mange små, gode, private barnehager som vi ikke hadde klart oss uten i dag, og som har hatt en uforutsigbarhet det siste året. Nå går de inn i et år da de i det hele tatt ikke vet om de får de inntektene de skal ha. Derfor har Fremskrittspartiet i sitt budsjett – og det stresser vi hele

barnehage enn de hadde før. Foreldrene er nå – når de vet at barna oppholder seg veldig mye i barnehage – ute etter kvalitet. Skal vi få fokus på kvaliteten i barnehager, må vi selvsagt begynne med de ansatte. Det er veldig mange som er gode som ikke er faglærte, men som har gode omsorgsevner, og som kan gi ungene den voksenkontakten som trengs. Men vi er nødt til å voksenkontakten som trengs. Men vi er nødt til å ha fokus på å få flere førskolelærere og få flere søknader. Det er gledelig at det er et storting som står samlet om den utfordringen. Vi er nødt til å få til en kompetanseheving for de ansatte. Når vi vet at kompetansehevingen i en del barnehager kanskje bare utgjør 230 kr til hver enkelt, så er det ikke mye en kan få ut av kompetanseheving. Det er viktig at det er trivsel, og det er godt at vi har et mangfold i barnehagene. Det er også snakk om fleksibilitet.

barnehageplass. Når spørsmålet til regjeringspartiene er hva dette koster, får vi bare beskjed om at det er det nesten ingen som vet, det er et milliardbeløp. Men det er skuffende at ikke regjeringspartiene eller regjeringen kan klare å få tallfestet hva dette vil koste, slik at Stortinget kan få en sak på bordet om hva det vil koste å få full barnehagedekning. Vi hører her saksordføreren legge ut om språkkartlegging og om hvor vinden blåser og ikke blåser.

barnehagene. For Fremskrittspartiet er det viktig å presisere at det er ikke alle unger som går i barnehagen. Noen foreldre velger å ha ungene sine hjemme, og de ungene får ikke denne språkkartleggingen. For Fremskrittspartiet er det viktig at det er en språkkartlegging, enten den skjer i barnehagen eller på helsestasjonen. Hvis en leser forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet, ser en helt klart at det skal være en språkkartlegging, men at det må være opp til kommunene om de ønsker å ha den

Om lag 97 pst. av alle barn har gått i barnehage før de begynner på skolen. Det Høyre er bekymret for, er at arbeidet med innholdet i barnehagen og kvaliteten nå helt har stoppet opp i prosessen med å oppnå full barnehagedekning. Økningen av antallet førskolelærere på dispensasjon og ny forskning som viser at barna viser tegn til mistrivsel og står i fare for skjevutvikling, er noen av tegnene på at vi ikke kan være tilfreds med tingenes tilstand. Likevel vet vi at de fleste fornøyd med barnhagetilbudet, og at mange barn har fine barnehagehverdager. Men det er et stort ansvar som påligger oss politikere; å sikre at kvaliteten for ungene blir god, og at barnehagene i fremtiden ikke kun blir oppbevaring av barn, men gir ungene gode og innholdsrike barnehagedager. Høyres utgangspunkt er at alle barn er forskjellige, og

og vil nå at barnehagene må sikres like vilkår. Det får vi også tilbakemeldinger om hver eneste dag fra veldig mange av landets kommuner, som er veldig bekymret over at det er veldig vanskelig å ta stilling til og følge opp alle de endringene som regjeringen nå gjør på barnehagesektoren, etter at de har overført barnehagene til kommunene. barnehagene til kommunene. Barnehagene muliggjør kombinasjonen av arbeid og familieliv. Det er i dag tilnærmet full barnehagedekning, etter regjeringens definisjon. Men i verste fall er barnet nesten to år før det er sikret barnehageplass, slik det er i dag. Derfor er jeg glad for at Høyre sammen med de andre opposisjonspartiene har tatt til orde for mer fleksible barnehageopptak. Alle vil vi ha bedre kvalitet i barnehagene, men kvalitetsbegrepet favner vidt. For Høyre er god kvalitet i barnehagen kjennetegnet av trygge barn som blir stimulert til egen utvikling. Barnehagen skal stimulere barnas naturlig utvikling og nysgjerrighet innenfor språk, motorikk og sosial kompetanse. God kvalitet i barnehagen avhenger av dem som arbeider i barnhagen og deres totale kompetanse til å gi barna en god og trygg ramme for sin utvikling. Barnehagen skal være med på å gi barn en god barndom i samarbeid med familiene. Det er Høyres utgangspunkt. Det er mange måter å jobbe med kvalitet i barnehagen på, men det viktigste er de som arbeider i barnehagen. Derfor har Høyre, både i dette forslaget og i sitt alternative statsbudsjett, foreslått tiltak og penger som vil gå til å styrke kvaliteten på de ansatte og barnehagen for øvrig. Det er et stort savn

barnehagen. Når det gjelder saksordførerens merknader om språkkartlegging, har jeg behov for en oppklaring. Representanten Vågslid har helt rett i at det blåser en Høyre-vind over landet for tiden. Det er jeg glad for at representanten har fått med seg. Men det er synd at representanten ikke har fått med seg debatten om språkkartlegging og hva Høyre har sagt. Derfor må jeg oppklare det. Da regjeringen fremmet sitt forslag om kartlegging i barnehagen, ønsket Høyre at kartlegging skal gjelde alle barn,

president. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har tatt opp de forslag hun refererte til. Det var en lang innstilling og et langt representantforslag å lese for en innbytter på morgenkvisten, men det var interessant. En lærer mye av å sitte på Stortinget. Et hovedbudskap i representantforslaget og i innstillinga er at nå har vi arbeidet oss fram og nesten nådd mål kvantitetsmessig, og så står det igjen noe på kvalitetssida. Det er vi alle enige om, og det er en av grunnene til at vi skal få en melding på dette området. Så er det veldig trivelig at en av de store diskusjonene her er opptakstidspunkt, som viser at vi ikke er helt i mål kvantitetsmessig. Det at vi nå i Stortinget har en diskusjon om og en kritikk mot regjeringa for at unger ikke kommer i barnehage tidsnok, er flott. Det hadde vi ikke for 10–15–20 år siden, da var barnehagen mer sett på som en fare og et onde. Nå er Det hadde vi ikke for 10–15–20 år siden, da var barnehagen mer sett på som en fare og et onde. Nå er den et gode som flest mulig bør få ta del i raskest mulig. Det er artig å lese Dagens Næringsliv i dag, der det er en kronikk om dette, der det står: «Barnehagebarn får bedre utdannelse og bedre lønn, viser våre studier av barn født på 1970-tallet. Barnehagene har bidratt til et viktig element i den norske suksessmodellen: inntektslikhet.» Dette er jo en musisk tekst i en sosialists ører. Når det gjelder det med å fullføre på kvantitetssida, er det interessant å gå litt nærmere inn i hvordan en har tenkt å finansiere dette. Jeg syns det er helt riktig, det flertallspartiene her påpeker – at dette skulle en absolutt fått på plass. Men dette koster penger, og det er en del av budsjettkampen videre framover. videre framover. I det som blir skrevet fra opposisjonen her, kan det kanskje se ut som om en har lyst til å løse opp dette med makspris, altså at en kan tenke seg at noe av dette blir finansiert gjennom økt foreldrebetaling. En kan her lese et typisk Høyre-angrep på den universelle velferdsstaten. Hvis dette ligger mellom linjene her, syns jeg det er skremmende tanker som blir presentert fra opposisjonens side. side. Dette med å holde på, videreutvikle og foredle den universelle velferdsstaten også på dette området er veldig viktig for oss rød-grønne partier. Så noen kommentarer i tillegg. For det første dette med språkkartlegging: Det er jo veldig godt omtalt fra saksordførerens side at dette skal klokt og fleksibelt blir gjennomført av fagfolk, og som skal bidra til at barnehagen fungerer enda bedre enn den gjør i dag. Slik sett er det et virkemiddel inn i kvalitetsdebatten. For det andre syns jeg det var interessant for en som var på KS-konferanse i Akershus på torsdag og fikk beskjed om at jeg representerte en versting når det gjaldt ikke å overføre makt til kommunene, at det nå er vi som får kritikk for at vi har overført dette området til kommunene våre. Det er jo sjølsagt slik her som det er

litt om dette med barnehageportal. For meg er det et eksempel på en naiv tiltro til at en gjennom enkle data kan fortelle om kvaliteten i en barnehage. Jeg er mer skeptisk til at man her nærmest skal komme i samme situasjon som ved sjukehusvalg – at man skal ha fritt barnehagevalg, at man skal kunne shoppe, finne fram til den barnehagen som passer en best på et aktuelt tidspunkt, og, i neste omgang,

Så litt om rekruttering. Det er veldig fint at det blir fokusert på det. For meg er dette enda et eksempel på det som vi kommer til å satse mer og mer på framover, nemlig voksnes kvalifisering – at vi gir et tilbud til folk der de arbeider, og der de bor, for nettopp å få opp kompetansen deres. Ikke minst i barnehagen er det mange som er ivrige etter å gjøre en enda bedre jobb, og en del av det å gjøre en enda bedre jobb er å få på plass formalkompetansen sin. så måte et godt og viktig tiltak at man ikke bare satser på nye studenter, men også, og ikke minst, ser på dem som allerede er i arbeid. Jeg mener det er nødvendig å reflektere litt over de forslagene som ligger i denne saken, og ikke minst bakgrunnen for forslagene. Barnehagesektoren er blitt en veldig viktig del av de fleste ungers liv, og utbyggingen av barnehager har hatt stor betydning for mange småbarnsfamilier. Men det har ikke alltid vært sånn,

Men i motsetning til på barnevernsområdet har de endringene som er gjort på barnehagefeltet, vært vellykket, og det er bred enighet om å gå videre med de målsettingene vi har satt oss, om likebehandling, retten til barnehageplass og ikke minst å få fokuset over på innholdet i barnehagen. Samtidig må vi erkjenne at det vil ta tid. Kommunene trenger tid til å tilpasse seg det ansvaret de har fått. Tallgrunnlaget for hvor mange som etterspør plass i barnehagen, vil etter hvert bli bedre, og da er det lettere for kommunene å tilpasse sitt tilbud etter det. Det kan noen ganger virke som om opposisjonen er kritisk bare for å være kritisk. Når man leser forslaget som er fremmet av representanter fra Høyre, ser det ikke ut som om man tar høyde for alt som allerede har skjedd, og alt som skjer, i sektoren – ting går enten Opposisjonen har jo et kritisk blikk på regjeringen, men det kan også noen ganger være grunn til å se litt kritisk på hva opposisjonen gjør. Det kan f.eks. se ut som om partiene har snudd i spørsmålet om språkkartlegging, der man i behandlingen av stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen uttalte seg veldig kritisk til ordningen, som man nå mener er veldig viktig. Så hører jeg at representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet sier at man er kritisk fordi man mener at ikke alle unger går i barnehage. Det er helt korrekt. korrekt. Det sa også regjeringspartiene i sine merknader den gangen. Men hvis man leser merknadene, er det jo ikke språkkartlegging opposisjonspartiene argumenterer mot, man argumenterer spesifikt mot innføringen i barnehagene. Ellers jobbes det godt fra regjeringens side med mange av de spørsmålene som blir tatt opp i forslaget. Det er bl.a. varslet at det kommer en stortingsmelding på barnehageområdet høsten 2012, som skal ta for seg veldig mange av de spørsmålene som dagens forslag peker på. For Senterpartiet er det viktig at man da fokuserer mye på at barnehagen også skal være med og sikre lek og god omsorg. Derfor blir det en litt spesiell påstand at arbeidet med innholdet i barnehagen har stoppet opp. Det er allerede varslet at det kommer en stortingsmelding, og vi behandlet i fjor kvalitetsmeldingen. Så det skjer mye på dette området hele tiden. Det er viktig at barnehagen skal være et mulig gode både for familier med god inntekt og for familier med dårlig inntekt. Derfor er det positivt at man ser at maksprisen har ført til at også lavinntektsfamilier har fått redusert sin foreldrebetaling. Så ser vi også at kommunene er pålagt å ha noen friplasser eller plasser som er tilpasset familier med

så mye bedre enn det er, men det er grunn til å minne om alt som er gjort, og alt som skal gjøres. Jeg har vanskelig for å se at det til nå har kommet fram forslag fra opposisjonen med gode innvendinger for at vi bør skifte kurs, eller at vi bør gjøre noe annet enn det vi gjør i dag.

Øyvind

forslagene enten er feil eller unødvendige, eller at man er kritisk bare for å være kritisk. Eller så er det sånn at alle forslagene er bra og bør vedtas, for dermed blir det bra. Da vil jeg anbefale Kristelig Folkepartis politikk i innstillingen der vi har støttet de forslagene som er bra, og latt være å støtte de som ikke er så bra. Kvalitet i barnehagen krever innsats, oppmerksomhet og økt fokus på flere viktige problemstillinger. Fra 2011 ble finansieringen av barnehagesektoren overført til kommunene. Det er riktig som representanten Ramsøy sa, at store reformer tar tid. Da burde man kanskje også erkjenne at nettopp

og vi har en moden sektor som kommunene kan overta og videreutvikle kvaliteten på. I dag har vi en situasjon i kommunene med stor usikkerhet omkring finansieringen av barnehagene, særlig for de private. Det går ut over kvaliteten i barnehagene hver eneste dag. Det er virkeligheten vi opplever nå. Kristelig Folkeparti støtter derfor forslag nr. 1 som er fremmet, om om å gå gjennom forskriften om likeverdig behandling. Kristelig Folkeparti har også i sitt alternative statsbudsjett foreslått økte midler til opptrapping av likebehandling av private barnehager. Videre mangler vi tusenvis av førskolelærere, som gjør at barnehager rundt omkring i landet ikke har den kompetansen de bør ha. Kristelig Folkeparti støtter også forslaget om en som nå arbeider utenfor sektoren. Videre: For å styrke kvaliteten trenger vi mer forskning, bedre rammer, finansiering og kompetanse. Vi trenger ikke minst også å gi de dyktige ansatte vi har i barnehagen i dag, tillit i det å utvikle denne kvaliteten i møte med barna og i møte med foreldrene i deres hverdag. Det som flere har vært inne på her i dag, er at vi i prinsippet har tilnærmet full barnehagedekning ut fra den definisjonen regjeringen har valgt. Jeg stusser over at man har så stor grad av tilfredshet med barnehagedekningen så lenge situasjonen faktisk er som den er, for alle dem som faller utenfor denne definisjonen. Jeg etterlyser mer utålmodighet og klare ambisjoner fra regjeringspartiene på dette området. Når man i tillegg fjerner kontantstøtten fra 1. august uten å ha planene klare for å sikre at ikke minst ut de barnehageplassene som trengs for å fylle opp dette behovet, ser det enda merkeligere ut. Barnehagene fungerer aller best når foreldrene faktisk har valgt det, fordi de mener det er best. Det gir den beste relasjonen mellom foreldre, barn og barnehage. Kristelig Folkeparti ser derfor på et godt barnehagetilbud som en av grunnsteinene i en valgfrihetspolitikk, der man kan velge mellom barnehage og andre omsorgsløsninger.

ansatte i barnehagen. Prisen på en privat barnehageplass er redusert med ca. 50 pst. og en kommunal med ca. 40 pst. Dette formidable løftet har vi klart å få til på barnehageområdet uten at kvaliteten er forringet. Jeg legger merke til at noen i debatten snakker som om det har betydd færre førskolelærere osv. Det er feil. Vi har klart å holde en tredjedel av pedagogene i barnehagene gjennom denne storstilte utbyggingen. Det jeg mener er avgjørende viktig at vi nå gjør videre, er å si: Nå har vi klart et formidabelt løft i barnehagesektoren, som gjør at mange – nesten alle barn – har muligheten til å delta i en barnehage før de begynner på skolen. Det er et kjempegodt utgangspunkt for å diskutere videre hvordan vi nå skal forbedre kvaliteten og

Det har lenge vært varslet at det var kommunene som skulle overta ansvaret for og finansieringen av barnehagene. Bondevik-regjeringen varslet at den ønsket å innføre det fra budsjettet for 2007. Vi har utsatt det i flere år nettopp fordi vi skulle ha en barnehagesektor som sto støere, og der retten til barnehageplass var klar.

prislapp. Hvis det ikke ligger inne i forslaget til budsjett for 2012, hvilket det ikke gjør for noen partier, er det i realiteten ingen som har foreslått mer enn ett opptak i året. Det opptaket er lagt til høsten, og det er fordi at vi hver høst har 60 000 ledige barnehageplasser når førsteklassingene begynner på skolen. Det betyr at hvis man skal ha løpende opptak utover det, må man til enhver tid ha en del ledige plasser som står klare til noen fyller ett år. Det er et kostnadsspørsmål, men det er ikke minst et kompetansespørsmål. Og når vi har, som det helt riktig er sagt i diskusjonen, 6 000 vakanser, at vi mangler 6 000 førskolelærer ut fra dagens bestemmelser, vil det være en stor utfordring hvordan vi skal klare å holde kvaliteten i barnehagene oppe gjennom en slik utvidelse. Jeg har som en klar målsetting at vi skal komme videre på dette området, men jeg mener det er avgjørende viktig at vi nå sikrer, holder og styrker den kvaliteten vi har i barnehagene. Nå skal det også legges til at halvparten av kommunene tilbyr barnehageplasser på dagen. De 195 kommunene som har ventelister for barn som ikke har fått oppfylt retten sin, har i snitt en ventetid på seks uker, så heldigvis ser dette bildet mer optimistisk ut enn man kan lese ut fra rettighetene. Jeg mener det er avgjørende viktig nå at vi videre framover både diskuterer hva som er en god kvalitetsbarnehage – det er derfor regjeringen har tenkt å legge fram en stortingsmelding om dette – at vi rekrutterer flere førskolelærere, får flere til å starte på førskolelærerutdanningen, sørger for at flere får mulighet til å ta fagbrev mens de er i jobb, og lokker tilbake førskolelærere.

Det formidable løftet, som statsråden sa ikke har gått ut over kvaliteten, viser at det er veldig mange barnehager som i dag sier at det går ut over kvaliteten på grunn av at finansieringen gikk over i rammer, og de private barnehagene har fått en verre økonomisk situasjon enn det de hadde f.eks. i fjor. Fremskrittspartiet var vel det eneste partiet som var så klart imot å få finansieringen over i ramme – vi ønsket å ha det slik som det var i fjor. Mitt spørsmål til statsråden blir på dette grunnlaget: Vil statsråden sørge for at de offentlige barnehagene må følge ordinære regnskapsregler for alle sine kostnader, slik at beregningsgrunnlaget for tilskuddene til de private barnehagene blir reelt?

forskriftene som er enkel å forholde seg til for de private barnehagene. Høyre er opptatt av at alle barn skal ha muligheten til å gå i barnehage, også de som har foreldre med lav inntekt. Derfor har jeg vanskelig for å forstå hvorfor statsråden er uenig i at vi bør bruke 150 mill. kr på inntektsgradering for dem med lavest inntekt, slik Høyre gjør i sitt budsjett denne høsten. Mener ikke statsråden at det er uheldig at de med lavest inntekt må betale like mye som de med høyest inntekt, og at enkelte foreldre nå må betale mye mer enn de gjorde tidligere? Vi har en oversikt som viser hva man betaler for barnehage, og den siste barnetilsynsundersøkelsen ga oss oppdaterte tall for dette. Den viser at alle inntektsgrupper – men nå er vi på statistikken, det kan jo tenkes at det finnes noen enkeltindivider innimellom – har fått redusert pris på barnehagen fra 2002 til 2010. Det alle inntektsgrupper – men nå er vi på statistikken, det kan jo tenkes at det finnes noen enkeltindivider innimellom – har fått redusert pris på barnehagen fra 2002 til 2010. Det gjelder også dem med de laveste inntektene. Så reduksjon i barnehageprisen er noe som vi, i hvert fall på generelt grunnlag, kan si har kommet alle grupper til gode. Så er det ikke slik at Høyre deler ut milde gaver til barnehageforeldre. Først øker man jo barnehageprisen for alle, og så ønsker man å dele ut en liten del av reduksjoner i prisen. Det er sånn i dag at kommunene er pålagt å legge til rette for at barn som kommer fra familier med lave inntekter og dårlig råd, har mulighet til å delta i en barnehage. Det ser vi i veldig stor grad også skjer, for når vi spør foreldre hva som skal til for at de skulle velge en barnehage hvis ikke … Apropos statistikken så viser statsråden til at halvparten av kommunene nå tilbyr barnehageplass på dagen. Nå er

de ungene som i dag ikke har rett til barnehageplass, ikke får barnehageplass, men der familiene faktisk ønsker det? Jeg er glad for at representanten Håbrekke understreker at det er ingen av partiene som foreslår mer enn ett opptak i året, fordi det koster penger, og det er ingen som har foreslått å legge inn penger i statsbudsjettet til dette. Så kan jeg være helt enig i at det selvsagt er sånn at jeg gjerne skulle hatt gode kvalitetsbarnehager stappa fulle av kompetente ansatte og overstrømmet av entusiastiske førskolelærere klare i det øyeblikket en 1-åring fyller ett år, og ikke sånn at noen må vente. Regjeringens ambisjon, eller ønske, er at vi skal kunne innføre to opptak i året – det står i vår regjeringsplattform. Men jeg skal være veldig ærlig og si at jeg i første runde nå har vært mer opptatt av å sikre at det er god kvalitet i barnehagene, at vi får mer til forskning, at vi har

sektoren. Jeg var også ordfører for en kommune som hadde full barnehagedekning før barnehageforliket ble inngått. Jeg vet også at noen barnehager er bedre enn andre. Slik var det da, og slik er det nå, for det er én ting som ikke forandrer seg, og det er at gode barnehager kjennetegnes av dyktige medarbeidere. Barnehagen blir aldri bedre enn dem som jobber der. Kompetente og kunnskapsrike ansatte er forutsetningen for å gi barna trygge og gode oppvekstvilkår og rom for egen utvikling. Ikke minst er nettopp kvaliteten på lederne – på alle trinn – i barnehagen viktig. Høyre er bekymret for at rekruttering av pedagogisk personale i barnehagene går for sakte. Tall fra Utdanningsforbundet viser jo at antallet dispensasjoner i barnehagene kan nærme seg 7 000 i løpet av 2012 – om det ikke skjer endringer. Det arbeidet mener vi går for sakte. Derfor etterlyser Høyre mer initiativ og flere tiltak for å styrke rekrutteringen og kompetansehevingen i barnehagene. Dette er kjente problemstillinger, og det har det vært i flere år. Hvorfor har det tatt statsråden så lang tid å komme på banen? Høyre vil styrke arbeidet med etter- og videreutdanningen av dem som arbeider i barnehagene, og da er det viktig at alle ansatte får ta del i det kompetansehevingsarbeidet, slik at også de ufaglærte assistentene som jobber der, kan få økt sin kompetanse. I tillegg er vi bekymret for de manglene ved førskolelærerutdanningen som NOKUT har pekt på – Prop. 1 S for 2010–2011. En førskolelærer er en leder for barna og de ansatte de har ansvaret for. Høyre mener at ledelsesfokuset i førskolelærerutdanningen bør styrkes, og vi er i hvert fall ganske glad for at statsråden vil ta med seg dette innspillet inn i det videre arbeidet med den fremtidige forslaget om inntektsgradering, sier statsråden at alle inntektsgrupper har fått redusert betaling etter 2002. Nei, de har ikke det, statsråd. Det var ikke slik i Oppegård kommune da jeg var ordfører der og minsteprisen ble innført. Vi hadde mange flere trinn på inntektsgraderingsstigen enn det som ble resultatet etterpå. Mange av familiene som lå i de nedre inntektsgruppene ble derfor løftet opp og fikk høyere barnehagebetaling. Det er et problem, og jeg kan ikke forstå hvorfor ikke regjeringspartiene kan støtte Høyre når det gjelder de 150 mill. kr som vi har lagt inn i vårt alternative budsjett, som en håndsrekning til dem med lavest inntekt, og som nå betaler en høyere barnehagepris enn det de i mange kommuner gjorde tidligere. Høyre mener at språkkartleggingen er viktig, men den må også nå alle barn både innenfor og utenfor barnehagene.
kun

å få på plass barnehageutbyggingen. Vi klarte endelig å komme i mål i 2009. I dag er det slik at over 90 pst. av alle barn er i barnehage, og vi har de senere årene hatt en massiv fokusering på å få til full barnehagedekning. Over 70 000 nye plasser har kommet til, uten at det har gått på bekostning av andelen førskolelærere i Vi har hatt en kraftig opptrapping av antallet studieplasser til førskolelærere. Det er over 1 000 flere studenter i dag enn det var for bare noen år siden. Det er også satt i gang et stort prosjekt for etterutdanning av ufaglært arbeidskaft i barnehagene. Vi har altså lyktes med å holde oppe en god kvalitet samtidig som vi har hatt en kraftig og massiv utbygging av barnehageplassene. Men jeg er helt enig med representanten Graham i at det er store forskjeller i kvaliteten i barnehagene, og det er det vi er nødt til å jobbe med i årene framover. Opposisjonen kritiserer oss for at barnehageutbyggingen har gått for fort, og de kritiserer oss for at lovfestingen gikk for fort. Da må jeg replisere tilbake, hvis det har gått for fort: Til hvilke foreldre vil man gå ut og si beklager, det har gått for fort, dere burde ikke hatt plass til barna deres i barnehagen, for vi mener at vi heller burde ha prioritert kvalitet istedenfor utbygging av de siste plassene? Jeg vil gjerne se at opposisjonen går ut og sier dette til de foreldrene den mener ikke skulle hatt plass. I tillegg synes jeg det opposisjonen kommer med, er ganske motstridende. For det første kritiserer den regjeringen for at man bygger ut for raskt, samtidig som den mener at man skulle hatt løpende opptak i barnehagen. Ja, det betyr faktisk at man hadde måttet bygge ut enda raskere, fått enda flere plasser, og man måtte i tillegg hatt en overkapasitet i barnehagene. Helt til slutt til det som går på språkkartlegging. Alle vi som var til stede i denne salen for godt og vel et år siden og hørte debatten da, vet at da var opposisjonen, Høyre og Fremskrittspartiet, mot en språkkartlegging. De fremmet til og med et forslag

Da er

Når vi har hørt retorikken til høyresiden de siste årene, har man nesten fått inntrykk av at det å sende ungene i barnehagen er noe av det farligste man kan gjøre. Det har vært påstått at kvaliteten har blitt gradvis dårligere, at det er et sosialt eksperiment. Man kan jo undre seg over hvorfor det er slik at 80 pst. av 1–2-åringene er i barnehage, og 96,5 pst. av dem som er mellom 3 og 5 år, er i barnehage. Hva er det foreldrene ikke har forstått som høyresiden har forstått? Jeg er enig med Solveig Horne som startet sitt innlegg med å si at Norge har i dag blant verdens beste barnehager. Det har Solveig Horne helt rett i. Det er ikke takket være Fremskrittspartiets mange forslag når det gjelder barnehagesektoren, og det er i hvert fall ikke takket være Fremskrittspartiets retorikk på området at vi har nådd de målene. Men jeg må si at det å lese merknadene fra Fremskrittspartiet og Høyre, og det å høre det som blir sagt i salen i dag, er til å få klump i halsen av. Jeg har bedt om ordet for å stille Høyre tre spørsmål. For det første sier Linda C. Hofstad Helleland i sitt innlegg tidligere i debatten at kvaliteten i barnehagesektoren har stoppet helt opp. Men i merknadene i innstillingen til St.meld. nr. 41 for 2008–2009 om kvalitet i barnehagen sier høyresiden at foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet er den viktigste indikatoren på kvalitet i barnehagene. Den indikatoren går opp, så hva er det Høyre har forstått, som norske foreldre ikke har forstått? Hvilken beskjed er det at kvaliteten har stoppet helt opp, å gi til de mange som gjør en fantastisk innsats for våre barn hver eneste dag, og som jobber med god kvalitet hele tiden? Og: Hvilket forhold har Høyre til fakta, når vi vet at andelen styrere med godkjent utdanning har økt fra 89 til 93 pst. de siste fem årene, og at voksentettheten også har økt de siste fem årene? Vi er ikke der vi vil være, men det å hevde at kvaliteten er blitt dårligere, er rett og slett ikke riktig. riktig. Hva er det egentlig høyresiden holder på med for tiden? På den ene siden ber de regjeringen om å innføre løpende opptak, uten å bevilge penger. Så ber de regjeringen ikke innføre språkkartlegging, og nå kjefter de på regjeringen for at det ikke går fort nok. Så ba Høyre regjeringen innføre et tilbud til menn som ble fedre, men kjefter på statsråden når det foreslås et bedre tilbud. Er dette et uttrykk for at en bevisst villeder folk, eller har politikken kort

så «fjus» inn i livet, som det heter på trøndersk, at han kommer to måneder for tidlig, har ikke han den retten, for han er født på feil side av den målstreken som foreldrene har passet dette nøyaktig inn i etter hvordan det skulle gjøres. Det er heller ikke slik at vi tror at det er så få som kommer til å ønske barnehageplass når kontantstøtten forsvinner, som regjeringa tror. Dette er to av de store utfordringene vi har på plass. Så har vi en utfordring når det gjelder pris, og det er å gjøre det billigere for dem

Det store løftet som regjeringa tok, førte til at det var mulig for alle familier i Holmenkollåsen å tjene 30 000–40 000 kr i året på de nye barnehageprisene, mens det fortsatt var like dyrt, om ikke dyrere, for dem med under 150 000 kr i inntekt. Dette må vi gjøre noe med. Derfor har Venstre lagt inn 150 mill. kr i sitt forslag til alternativt statsbudsjett for å få til en større gradering av barnehageprisene, for å gjøre det billigst for dem med dårlig råd. Så skulle jeg gjerne ha sagt mye om innholdet, men jeg må også forklare hvordan vi i Venstre skal stemme. Vi støtter forslagene nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Vi er ganske konsekvente når det gjelder språkkartlegging, så vi stemmer imot forslag nr. 6. Jeg mener at den store utfordringa for barnehager når det gjelder språk, er å ha barnehagepersonell som mestrer norsk perfekt. Det er en kjempestor utfordring, så kanskje man heller skal teste på språk enn å teste barna på språk. Dessuten er vi veldig skeptiske til å innføre en massiv kartlegging som tar masse tid for gode pedagoger, som heller skulle ha brukt tida på de barna som trenger det mest. Som alltid i slike debatter blir det mer fokus på det vi er

forslag. Det er ikke måte på hvor langt tilbake i tid han går, og hvor mye svartmaling det kan være, når det gjelder hvordan Fremskrittspartiets politikk på barnehagefeltet har vært før og etter den eller den tidsepoken. Jeg har lyst til å minne Arild Stokkan-Grande på at da barnehageforliket ble vedtatt i denne salen, var det veldig av Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet erkjenner at de fleste barnefamiliene i dag benytter seg av barnehager. Men i motsetning til representanten

på helsestasjonene ved fireårsalderen. Det som Fremskrittspartiet stemte imot i den saken vi hadde oppe til behandling, var å foreta en obligatorisk kartlegging av 3-åringer i barnehager, og vi viste til – som det står i innstillingen også – forslag om at det skulle være mulig å ha språkkartlegging både på helsestasjonene og i barnehagene fra Så er det veldig kjekt å vise til at Fremskrittspartiet eller Høyre har ikke lagt inn så mye penger til løpende opptak. Vi har skrevet uttallige spørsmål til departementet for å få vite hvor mange milliarder det dreier seg om ved å ha et løpende opptak. Men vi får bare beskjed om at det er vanskelig å tallfeste det, og at det er snakk om milliardbeløp. Det kunne vært veldig interessant å få vite: Er det snakk om 1 mrd. kr, er det snakk om 2 mrd. kr? Derfor er forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre

hvordan den står seg i forhold til det som er sagt før. Det er veldig vanskelig å forholde seg til en slik kritikk når den er så til de grader unøyaktig og upresis. Man kritiserer opposisjonen, uten å nevne hvilket parti man kritiserer. Man slenger ut noen begreper og sitater som visstnok skal være brukt, uten å knytte dem til en person, til en anledning eller knapt nok til et sitat. Da blir det et veldig dårlig utgangspunkt for å svare på kritikken og føre en god debatt. La meg bare si at Kristelig Folkeparti har stemt for

Andre partier får svare for seg, men for Kristelig Folkepartis del har vi ikke kritisert at utbyggingen har gått for raskt. Vi har heller ikke tatt til orde for at det skal være løpende opptak samtidig med at denne utbyggingen har foregått, men vi har bare påpekt ved flere anledninger – både i forrige periode og i denne perioden – at poenget med denne utbyggingen er faktisk at de som ønsker det, skal få en plass. en plass. Vi har ønsker og ambisjoner i tråd med det. Formuleringene som vi skal stemme over i dag, er jo som følger: «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om et mer fleksibelt barnehageopptak uavhengig av når på året barnet er født.» Det er ikke en veldig urimelig ambisjon å ha hvis man ønsker en god barnehagepolitikk. Når regjeringen eventuelt skal komme tilbake med en slik sak – hvis det blir vedtatt – må den legge inn i budsjettet de midlene som dette krever. Så spør representanten Gjul: Hvilke unger er det da som ikke skulle få plass? Statsråden har akkurat stått på Stortingets talerstol og sagt at grunnen til at ikke flere nå får plass, er at man skal sikre kvaliteten først. Så statsråden har jo i grunnen grunnen svart på at man skjærer en sånn grense, men Kristelig Folkeparti har ikke kritisert at utbyggingen har gått for raskt. Når det gjelder språkkartlegging, har heller ikke Kristelig Folkeparti vært imot det. Men det vi kritiserte ved fjorårets korsvei, var at man endrer barnehagens innhold og gjennomfører resultatmåling på et bestemt område, og ber om at man følger det opp. Eg har følgt med i debatten, og eg sat til og med i

må dei gjerne gjere, sjølv om eg skulle ønskje at dei også kunne vere med på tanken om ei språkkartlegging, for det er noko forvirring ute og går her med omsyn til omgrep, etter mitt syn. Det er ikkje det same å drive med ei dynamisk form for observasjonsteknikk, ei kartlegging i barnehagen, Me har også ein del forsking som er gjort på det området, om korleis ein kan kartleggje språkutvikling direkte når ungane er i samhandling med andre ungar. Det er litt av bakgrunnen for at det blir argumentert for at barnehagen er ein unik arena for å kartleggje den språkutviklinga, for det er der dei er i lag med folk dei kjenner godt, der brukar dei språket sitt. I tillegg må det òg nemnast at i debatten i fjor blei det sagt frå regjeringspartia at det er viktig at me òg fangar opp dei ungane som ikkje går i barnehage, og det meiner me framleis. Derfor blir forklaringa litt snodig når representanten Horne, og til dels òg representanten Hofstad Helleland, seier at grunnen til at dei var imot det, var at det handla om barnehage. Men i deira forslag i dag står det jo at dei ønskjer at regjeringa lovfestar «obligatorisk språkkartlegging for alle barn etter fylte tre år, i barnehagen eller på helsestasjonen». Så då kan dei i det minste innrømme at dei har endra haldning, eventuelt i forhold til kartlegging i barnehagen. Eg gjentek òg det eg sa i innlegget mitt, for representanten Ib Thomsen sa i debatten i fjor at forslaget vårt om å tilby kartlegging minte om noko dei dreiv med i Kina eller i Aust-Europa. Korleis skal me då tolke det forslaget som ligg her i dag? Kva land høyrer det då heime i? Det er nokre nyansar som det er viktig å ha i denne debatten, noko eg synest debatten i mars i fjor mangla. Det er kanskje litt fleire nyansar i dag. Det er viktig det representanten Skei Grande seier om pedagogane sitt arbeid i barnehagane. Den type kartlegging som ein driv med i dag i forhold til TRAS og dynamisk metodebruk, er i direkte kontakt med ungane. Den føregår der ungane er, og det har eg tru på for å styrkje arbeidet med tidleg innsats i framtida. Jeg er har eg tru på for å styrkje arbeidet med tidleg innsats i framtida. Jeg er enig med Solveig Horne i at vi stort sett er enige om det meste. Vi vil ha mer barnehage, bedre barnehage, tidligere barnehage og billigere barnehage. Jeg er forresten litt usikker på billigere, men det skal jeg komme tilbake til. Men først til det som at opposisjonen skal finansiere det opp når regjeringa først har bestemt seg for at tiltak skal settes på dagsordenen og gjennomføres. Jeg syns stort sett at opposisjonen i andre budsjettdebatter er flink nok til å komme med penger og tiltak når det gjelder alternative forslag som opposisjonen sjøl vil gjennomføre, og som regjeringa ikke har satt på sin tiltaksliste. Så det er ikke noe svar tilbake på statsrådens utfordring om at det ikke er ett parti i denne salen som har finansiert opp og fått på plass den opptaksordninga som vi alle ideelt sett er ute etter og mener er riktig. Først da er vi fullt og helt i mål når det gjelder kvantitetsmålet. Så litt tilbake til pris og billigere barnehage. Når Trine Skei Grande begynner med eksempler med utgangspunkt i Holmenkollåsen, blir jeg fortsatt usikker på om ikke deler av opposisjonen ønsker å heve foreldrebetalinga. Så der har SV på plass en klar oppfatning om at i den universelle velferdsstaten skal barnehage være en sjølsagt inkludert del, og i den universelle velferdsstaten skal vi stort sett ha gratistjenester. Hvis vi skal ha betaltjenester, skal vi sjølsagt ha en unntaksordning for folk som har dårlig betalingsevne, men stort sett skal vi ha dette som universelle ordninger. Men jeg tolker opposisjonen slik at den for høginntektsgrupper nå ønsker å heve foreldrebetalinga – og på den måten kanskje finansiere noe av det man ønsker å gjøre innenfor sektoren. Denne debatten har vært en interessant opplevelse. Jeg må si at representanten Stokkan-Grande gjorde meg ganske varm i snippen. Jeg synes det

Sylvi Graham

Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har hørt noen, verken i denne sal eller andre steder, som har sagt noe om at kvalitetsarbeidet har stoppet opp i barnehagesektoren. Det ville jo vært helt underlig om vi skulle ha ment det. Barnehagene er tross alt et av de sterkeste virkemidlene som kommunene har, og jeg vet at det foregår vanvittig mye bra kvalitetsarbeid rundt omkring i kommunene. Det er ikke noe denne salen har monopol på å mene noe om. Jeg vet også at balansen mellom kvalitet og kvantitet jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke posisjonen synes at det er greit at vi også diskuterer løpende innholdet og kvaliteten i barnehagen, og ikke bare er, som representanten Vågslid, opptatt av hva folk sa i fjor, men at vi heller vil diskutere videre for å få en enda bedre barnehage i årene som kommer. Barnehagen er er jeg enig med representanten Vågslid i – en unik arena for å kartlegge barnas språk, men fagfolk klarer faktisk å kartlegge barnas språk også andre steder, f.eks. på helsestasjonene. Flere av forslagene er interessante, sa statsråden. Det er jeg glad for å høre, for det er jeg helt enig med henne i, og jeg synes også at det er et lite tankekors at vi har klart et formidabelt løft, som statsråden pekte på, uten at kvaliteten er forringet. Det er jeg for så vidt enig i, men det er noe som heter voksesmerter også. Det er i hvert fall sånn at vi snart har opp mot 7 000 pedagoger, pedagogiske stillinger, som har dispensasjon, og da er det et eller annet som ikke har vært helt i takt med hverandre. Men jeg har tillit til at vi i fellesskap klarer å få det på plass igjen senere. Det er jo også sånn at løpende opptak har en prislapp, som statsråden sa. Det har jo også sykehjemsplassene i kommunene – og det og det er ikke sånn at en norsk kommune kan si til en som trenger sykehjemsplass, at du får komme igjen til neste år, for nå har 1. september vært. Slike ting må finne sine løsninger i en smidig operasjon i kommunene, og det er jeg helt sikker på at regjeringen kommer til å klare å finne gode løsninger på dersom man hadde tatt inn over seg dagens forslag, for så å komme tilbake til Stortinget med en måte å drøfte det på, med

det som har skjedd før, hvilke partier som har gjort det og det, hva som sto i det og det programmet, og hva man sa i den og den avisen. Man har tydeligvis hatt en sånn rød-grønn kollokviegruppe i helgen der man bestemte seg for at nå skal vi tviholde på virkelighetsbeskrivelsen vår: Unger har det bra i barnehagen, foreldrene har det bra, og de ansatte har det bra, og det må bare opposisjonen forholde seg til. Jeg synes det er helt merkelig at regjeringspartiene ikke er mer opptatt av å diskutere i denne sal hvordan framtidens barnehager kan bli bedre, at man ikke ønsker forslag fra opposisjonen velkommen og sier at nå skal vi bruke denne muligheten til å se på hvordan forslag kan sørge for at unger får en bedre barnehagehverdag. Jeg var nettopp på en stor oppvekstkonferanse i forrige uke med flere hundre deltakere. De har en helt annen forståelse av hverdagen enn det rød-grønne politikere i denne salen har om hvordan hverdagene er. De fortalte om en fullstendig mangel på etter- og videreutdanning, de fortalte om en hverdag der man ikke har tilgang på kvalifisert personell, de fortalte om en hverdag der kvaliteten i barnehagene forverres. Selvfølgelig har vi fantastisk mange gode barnehager, har vi fantastisk mange gode barnehager, og vi foreldre er kjempeglad for at vi har muligheten til å være i jobb og ha et sted å sende ungene våre, men det er ikke alle barn som har et godt barnehagetilbud. Det er mange barnehager som er for dårlige, og da forundrer det meg at regjeringspartiene ikke er mer opptatt av å diskutere det. Hadde det ikke vært for opposisjonen, hadde det sannelig ikke vært mange ganger vi hadde diskutert barnehage i salen her, hadde det sannelig ikke vært mange ganger vi hadde diskutert barnehage i salen her, for det er ikke mange saker og forslag som kommer fra denne regjeringen på dette feltet. Så jeg håper at regjeringspartiene neste gang – for jeg skal love at Høyre kommer til å fremme flere forslag om hvordan barnehagene skal bli bedre – kanskje har en annen tilnærming og vil se på hva det er vi kan bli bedre på. Når det gjelder kartlegging, er Høyre opptatt av det som skjer i barnehagene. Der er det kartlegging hver eneste dag, men vi er også opptatt av å sikre at alle barn har muligheten til å bli fulgt opp, også de som ikke går i barnehage. Hva gjør regjeringen særlig i forhold til dem som ikke engang møter opp på helsestasjonen med ungene sine? Hvordan følger man opp unger som man ikke ser før de begynner første dag på skolen og ikke kan snakke norsk? Jeg håper vi ikke får en reprise på denne debatten igjen, for dette var ikke veldig imponerende. Det

håper jeg at Sylvi Graham er den personen som har størst gjennomslag i Høyre for hvordan de forholder seg til norske barnehager. Når Høyre som har to representanter i denne sal i denne debatten, åpenbart ikke er enig med seg selv, er det ikke rart om vi andre stusser over hva som er Høyres linje når det gjelder barnehagesektoren. Så påstår Linda Hofstad Helleland at det at norske foreldre og norske barn er godt fornøyd med barnehagetilbudet, er noe de rød-grønne partiene nærmest har funnet på på på et seminar på et høyfjellshotell. Men hvordan i all verden leser da Linda Hofstad Helleland de rapportene og de undersøkelsene som faktisk undersøker foreldres tilfredshet, og som viser at foreldre er blitt mer tilfreds med barnehagetilbudet,

Jeg er ikke overrasket over at Linda Hofstad Helleland har glemt at vi diskuterte St.meld. nr. 41 for 2008–2009 om kvalitet i barnehagene for bare et års tid siden, når hun åpenbart også har glemt hva hun sto for i denne debatten. Vi har også fått melding om at regjeringen kommer med en stortingsmelding om kvalitet i barnehagene også neste år. Så ved siden av at det må bli slutt på svartmalingen av norsk barnehagesektor, må det også bli slutt på den feilinformasjonen som vi stadig vekk får høre fra Høyre fra denne talerstolen.

skolekontoret. 58 pst. av kommunene tilbyr moderasjonsordninger utenfor barnehagens ordinære betalingssystem. Det er faktisk også sånn at fire kommuner har gratis barnehageplass. Vi vet at det finnes graderte ordninger som sørger for at barn fra familier med dårlig råd, kommer i barnehagen. Jeg har bedt Statistisk sentralbyrå om å gå gjennom barnetilsynsundersøkelsen for å se se hvordan ulike sentrale grep kan tas i forhold til det som dreier seg om gradert barnehagesats. Men det er jo i dag sånn at kommunene har plikt til å tilby en barnehageplass som det er mulig for dem som får tilbudet, å ta imot. Da synes jeg kanskje at det er lite grann pussig at noen som sitter med politisk flertall i sine roper på staten for å få dette til. Hvis det er et godt gradert betalingssystem fra før, står kommunene altså fritt til å gjennomføre det. Jeg mener at vi har gratis skole fordi vi ønsker at folk skal betale skatt etter evne, men at vi skal ha universelle velferdsordninger. Jeg er veldig godt fornøyd med at barnehagene nå er nede i 2 330 kr i måneden. Det er ikke noe billig, det heller, når man evne. Jeg mener at vesentlige og viktige velferdsgoder bør være tilrettelagt slik at vi først og fremst driver fordelingspolitikk over skatteseddelen, og at man selvfølgelig tar noen hensyn ellers. Men det kan ikke være et mål at man skal betale gradert etter inntekt på alle mulige områder i en velferdsstat. Det er derfor vi har universelle ordninger. Så til såkalt løpende opptak. Vi har ikke en prislapp på løpende opptak, men vi har prislappen på to opptak i året istedenfor ett. Det er ca. 1 mrd. kr på årsbasis. Hvis det er sånn at opposisjonen ønsker å begynne et sted med å øke retten til en barnehageplass, kan man jo begynne med to opptak i året.

vi ønsker at det legges til rette for dette i kommuner der det er mulig. Vi legger ikke inn penger til det i vårt budsjett. Vi synes også det er feil å pålegge kommunene å gjøre det. Men vi vet i dag at noen kommuner har et mer eller mindre fleksibelt barnehageopptak. Så har jeg lyst til å si at jeg er glad for at Høyre bevilger 100 mill. kr mer til kvalitet i barnehagen. Jeg mistenker at det kanskje ikke er noe som blir veldig godt mottatt av regjeringspartiene, særlig ikke når det kommer massiv kritikk fra dem som jobber i barnehagen, over at det ikke er en større satsing. Jeg gjør meg mine tanker om den enorme aggressiviteten fra regjeringspartiene i debatten, og at den kanskje skyldes det gode, gamle ordtaket om at angrep er det beste forsvar.

prispolitikk, så jeg prøver en gang til. Det er kjempefint at SV drømmer om at barnehagen skal være gratis. Det kan godt hende at det blir målet for oss alle over tid, men nå er vi jo ikke der. I Aksel Hagens drømmeverden er vi ikke. Det koster faktisk å ha barn i barnehage. Da er spørsmålet: Skal vi ha en pris som skal være lik for alle eller skal vi faktisk gjøre det billigere for dem som kanskje trenger barnehageplassen aller mest, nemlig de som har dårlig råd? Derfor kjemper Venstre i alle kommuner der vi har makt, også i Oslo, for å opprettholde den graderte foreldrebetalinga, noe som har kostet oss mye i prioritering i mange kommunestyrer. Derfor har Venstre foreslått å legge inn 150 mill. kr til økt gradering. Vi ønsker å gi et håndslag til kommunene for nettopp å få til det grepet, fordi vi syns det er viktig. viktig. Så er det også riktig at vi går for at det skal koste 70 kr mer i måneden for dem som har god råd. Hvis noen tror at det bikker familieøkonomien for folk med god råd, så gjør det ikke det. Men det vi får til med å senke prisen for de fattigste, tror jeg faktisk betyr noe for de gode prioriteringene. Det er helt riktig at det å innføre flere opptak. Det rare er jo at vi har innført en lovfestet rett som ikke gjelder. Vi har vedtatt at det skal være en lovfestet rett til barnehageplass, men den gjelder ikke hvis du er født på feil tidspunkt. Det er jo det som egentlig er det inkonsekvente i standpunktet her, og det er derfor det er så viktig for oss å strekke oss, og det er derfor det er viktig for oss å finne de grepene som gjør at alle får barnehageplass. Barn har behov

områder. Det er mye av dette som kan gjøres i kommunene. Jeg har sjøl besøkt bydelen Alna – og hvis jeg skal gi statsråden et tips, er det at hun også gjør det. Der har man jobbet systematisk med kvaliteten i barnehagene, også med det å rekruttere fagfolk, ved å gå inn på utdanningsinstitusjonene og gi folk stipend for at de skal forplikte seg til å jobbe i Alna bydel – og det er sabla gode barnehager. Det går det an å få til sjøl på et sted med høye boligpriser, som ikke gjør det lett å etablere seg som førskolelærer. Jeg tror det er den systematiske jobbinga som må til fra kommunenes side og fra statens side. Det er derfor vi ønsker mer av disse kvalitetsprosjektene, vi ønsker å øke kvaliteten i barnehagene. Bare noen kommentarer om pris. Vi kan jo late som om vi er
statsråd.

Jeg hadde faktisk glemt – inntil representanten Skei Grande kom og sa at det kostet 5 500 kr per måned for folk i Oslo å ha en barnehageplass – hvor dyrt det egentlig var. Men veldig mange av oss hadde barnehageplasser som kostet over 4 000 kr, f.eks. i private barnehager. Det var kjempedyrt, og det gjorde at mange barn ikke kom i barnehagen. Nå har vi fått det ned til en

Så sier jeg at nå går vi gjennom dette – hva er en fornuftig måte å sentralstyre graderte satser på? For jeg har også gått gjennom hvordan kommunene nettopp tilbyr friplasser og graderte satser rundt omkring, men kanskje trenger vi en bedre oversikt over det. Det som er interessent, fra den siste barnetilsynsundersøkelsen, er svaret vi får når vi spør de foreldrene som ikke har barn i barnehagen: Hva er det som hindrer deg i – hva er sperren for – å bruke en barnehageplass? Da er det nesten ingen som sier at prisen nå er til hinder for det. Da synes jeg vi har kommet veldig langt, og så får vi se videre. Så til det som dreier seg om kvalitet og utvikling av kvalitet. Jeg forventer ikke at opposisjonen starter hver morgen med å lovprise meg, som har ansvar for barnehager, eller regjeringen Men på dette området har vi en meget klar plan, både for å sørge for at vi utvikler barnehagene videre og for å sørge for kvaliteten – og enigheten om hva en god barnehage er – videre framover. Vi gjør nå en innsats gjennom Kompetanse 2020, som nettopp dreier seg om å øke kompetansen i barnehagene. Det betyr at vi nå i februar starter en rekrutteringskampanje for å få flere førskolelærere i barnehagene, at vi går gjennom rammeplanen fra førskoleutdanningen for å sikre kvaliteten i førskolelærerutdanningene, og at vi ikke glemmer assistentene i barnehagene, for vi ønsker at flere av dem skal ta fagbrev. Vi har også hatt en formidabel økning på forskning når det gjelder hva som er gode barnehager for de yngste. Jeg er glad for alt engasjementet på dette området, men regjeringen har en meget klar ambisjon: Vi skal tenke stort om de små. Det vi investerer i de første årene, nemlig en god barndom,

Mange av disse barna opplever vanskeligheter senere i livet, ikke minst på grunn av tapt skolegang. Barne-, ungdoms- og familieetaten offentliggjorde på forsommeren en brukerundersøkelse blant barnevernsbarn. Den viser bl.a. at bare 58 pst. av dem som bor på institusjon, går på skole hver dag. Det er altså 24 pst. som ikke går på skole, 25 pst. oppgir oppmuntrer dem til skolegang. Opplæringsloven er tydelig: Alle barn har krav på opplæring. Likevel går altså opp mot én av fire barn ifølge denne undersøkelsen ikke på skole. Dette er noen av våre mest sårbare barn – barn som på en eller annen måte er sviktet av sine foreldre, slik at staten må overta ansvaret for dem. Mange av disse barna sviktes igjen, men denne gangen av staten, for det er staten som har overtatt foreldreansvaret for disse barna. Samtidig har staten en plikt til å gi disse barna en skolegang. De barna vi her snakker om, har fått en ufortjent tøff start på livet. Vi vet at mange av dem opplever vanskeligheter senere i livet. Forskning viser at skolegang er avgjørende for deres videre livskarriere, og undersøkelse fra Sverige viser at i gruppen blant de 20 pst. svakeste elevene er så å si alle barnevernsbarn. Dette gir grunn til bekymring. Høyre er bekymret for at disse barna får enda dårligere forutsetninger for å klare seg senere i livet med tapt skolegang. Dette er barn som ikke får den

det her dreie seg om lovbrudd». Denne undersøkelsen bekrefter resultatene fra det nasjonale tilsynet om skolegangen til beboerne i barnevernsinstitusjoner som ble gjennomført i 2008. Tilsynet viste at det var mange ungdommer som ikke fikk et godkjent opplæringstilbud. Fylkesmennene har funnet brudd på opplæringsloven i alle fylker. Samtidig melder de og hvor disse skoleløse ungdommene befinner seg. Jeg håper statsråden er enig med meg i at vi har grunn til å være bekymret for disse barna, og at det er nødvendig med tiltak på både kort og lang sikt for å sikre at også barnevernsbarna får det opplæringstilbudet de har krav på. Barnevernsbarn er en særlig sårbar gruppe, og Norge kan ikke være bekjent av ikke å gi de har krav på. Barnevernsbarn er en særlig sårbar gruppe, og Norge kan ikke være bekjent av ikke å gi disse barna tilfredsstillende skolegang og oppfølging. Det er også alvorlig dersom det nå viser seg at barnevernsbarna ikke får det opplæringstilbudet de har rett til etter opplæringsloven. Kunnskapsdepartementet har ifølge svar til Stortinget ikke oversikt over hvor mange barn det her kan dreie seg om, en slik størrelsesorden som denne undersøkelsen viser til, og at det er så mange barnevernsbarn som ikke får den opplæringen de har krav på. Enkelte fylkesmenn har den siste tiden advart om at situasjonen er mer alvorlig enn det man tidligere har antatt. For eksempel har fylkesmannen i Troms, som jeg har lyst til å trekke frem i denne sammenhengen, gjennom tilsyn med ulike barnevernsinstitusjoner sett at enkelte barn ikke følger ordinære opplæringsløp. Fylkesmannens bekymring er basert på enkelte observasjoner gjennom tilsyn, og de har derfor ikke kunnet anslå omfanget av problemet. Men det fylkesmannen i Troms gjør, er etter å ha avdekket dette å sette i gang en undersøkelse blant alle barnevernsinstitusjonene i fylket, der de etterspør nærmere informasjon om beboernes skoletilbud og organiseringen av dette. Fylkesmannen mener det er nærliggende å tro at det vil bli iverksatt tilsyn dersom kartleggingen bekrefter fylkesmannens mistanke om manglende regelverksetterlevelse. Jeg er glad for initiativ som dette. Jeg håper statsråden også i denne debatten kan svare på hvordan situasjonen er i resten av landet. Er det tilsvarende kartlegging av eller tilsyn med opplæringsvirksomheten ved barnevernsinstitusjonene? Det tror jeg det er viktig at vi får klarhet i. Hvorfor får ikke disse barna den opplæringen de har krav på? Det er nok flere og sammensatte årsaker til at barnevernsbarn er i denne situasjonen. motivert. Det er lett å se for seg at en skolehverdag ikke er like god for alle disse. Mange av dem har flyttet flere ganger i løpet av sitt unge liv, de har kanskje bodd i flere fosterhjem, de har kanskje bodd i flere institusjoner, noe som har medført skifte av skole. Det faste holdepunktet og gode vennskapet som skolen representerer for mange barn, er overhodet ikke til stede. Manglende motivasjon hos barnet selv, sykdom og skolevegring er også mulige årsaker. Men det kan også være forhold ved institusjonen som er viktig å avdekke. Det kan bl.a. være dårlig samarbeid med skole eller for dårlig kjennskap til elevenes rettigheter og plikter som er årsaken. Det er også naturlig å stille spørsmål om fylkeskommunen følger opp dette på en tilfredsstillende måte. Fylkeskommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke barn og unge som bor i den enkelte barnevernsinstitusjon i fylket. De har et opplæringsansvar, og det forutsetter gode samarbeidsrutiner mellom institusjonen og den ansvarlige fylkeskommune. Det er ikke minst viktig at institusjonene har gode rutiner for å melde fra til den ansvarlige fylkeskommune om nyankomne barn og unge til institusjonen, slik at opplæringen kan komme i gang så raskt som mulig. Det er interessant å høre om statsråden mener at vi i dag har fylkeskommuner som håndterer dette på en tilfredsstillende måte over hele landet. Samarbeidet mellom barnevern og skole er mange steder ikke oss. Flere steder blir barn ofte kasteball mellom ulike deler av det offentlige hjelpeapparatet og det tilbudet de har krav på. Her er det åpenbart store utfordringer for å få til et godt nok samarbeid. Et nærmere samarbeid mellom skole og barnevern er helt avgjørende. Det er heller ingen tvil om at tallene i denne undersøkelsen viser at vi trenger bevisstgjøring i institusjonene om hvordan vi får til et sånt samarbeid, og hvordan vi sørger for at flere barn og unge på institusjon kommer seg på skolen. Denne problematikken illustrerer nok en gang behovet for tidlig innsats i barnevernet, for det er nok også tall som reflekterer at vi for ofte kommer inn for sent, altså på et tidspunkt der ungdommene kanskje har vært lenge utenfor skolen, og der problemene har blitt så alvorlige at det er svært vanskelig å få dem tilbake til en skolehverdag. Det viser behovet for en snuoperasjon i barnevernet for å nå de mest utsatte barna tidligere enn det som gjøres i dag. Når regjeringen legger frem arbeidet knyttet til både ny organisering i barnevernet og nye prioriteringer, har Høyre store forventninger knyttet til akkurat denne problemstillingen. Vi håper regjeringen gjør de skoleløse barnevernsbarna til et hovedfokus, og at dette er et område som blir løftet frem. Barnevernsbarna er utvilsomt en gruppe barn som fortjener samfunnets fulle oppmerksomhet. Dette er barn som ikke lever det trygge, stabile livet som majoriteten av norske barn heldigvis gjør. Desto viktigere er det da at barnevern og skole sammen strekker seg maksimalt for å legge godt til rette for at disse barna kan få oppleve mestring og det å være en del av det sosiale fellesskapet som skolen representerer. En god skolegang for barnevernsbarna er en ambisjon vi alle bør arbeide i fellesskap for å innfri. Representanten Linda C. Hofstad Helleland tar opp at utdanning og skolegang er

Det er den første brukerundersøkelsen blant barn og unge over ni år i samtlige statlige og private barnevernsinstitusjoner, statlige fosterhjem og blant barn som får såkalt multisystemisk terapi, dvs. at de får behandling i hjemmet. Denne undersøkelsen gir oss noen indikasjoner bl.a. på gruppens syn på deres skolegang. Når jeg presiserer indikasjoner, er dette på bakgrunn av at undersøkelsen på grunn av lav ikke kan si så mye om hvor mange i hele målgruppen som er tilfreds med de ulike temaene det spørres etter. Med dette forbeholdet vil jeg likevel referere noen tall fra denne undersøkelsen, fordi den gir oss økt kunnskap om hvordan noen barn og unge som er i statlige barnevernstiltak, opplever det skoletilbudet de får – hva de er tilfreds med, og hva de er mindre tilfreds med. Det gir oss mulighet til å Som representanten Hofstad Helleland peker på, viser brukerundersøkelsen at barn og unge i institusjon skiller seg særlig ut ved at hele 24 pst. oppga at de ikke går på skolen i det hele tatt. Dette gjelder ingen barn under 13 år, men en del barn og unge mellom 13 og 18 år, og nesten halvparten av unge over 18 år. Etter opplæringsloven har barn skoleplikt så lenge de går i grunnskolen, og dersom det er disse barna som ikke går på skole, kan det dreie seg om lovbrudd. Det er det imidlertid ikke mulig å identifisere på bakgrunn av undersøkelsen, altså hvor mange som er over og under grunnskolealder. Om det gjelder ungdom som normalt ville ha gått i videregående opplæring, er resultatene fremdeles alvorlige. Vi vet at frafall fra videregående opplæring innebærer en rekke risikomomenter for unge. 75 pst. av barna i brukerundersøkelsen gir uttrykk for at de trives på skolen, at de gjør det bra, og at de får hjelp av lærerne når de trenger det. Selv om dette er en forholdsvis høy andel, er det foruroligende at mange svarer avkreftende på påstanden om trivsel og mestring i skolen. 22 pst. av barn og unge som bor i institusjon, 17 pst. som bor i henholdsvis statlige fosterhjem eller får behandlingstilbud i hjemmet, MST, er litt eller helt uenig i påstanden om at de trives på skolen. Dette er alvorlig, fordi både det faglige og sosiale læringsutbyttet og motivasjon til å fortsette på skolen er så avhengig av trivsel. Til sammenlikning viste Elevundersøkelsen 2010 at det var færre enn 6 pst. som sa at de ikke trivdes på skolen. Det er altså langt flere av de barna som på ulike måter har tiltak fra barnevernet, som ikke trives. I dagens kunnskapssamfunn spiller skolegang, som vi alle vet, en svært viktig rolle for barn og unges framtid. Noen barn og unge har en vanskeligere oppvekst enn andre, og for mange i barnevernet preger også dette deres skolegang og framtidsutsikter. Tilværelsen på skolen kan også gi barn motgang som svekker deres trivsel og skoleprestasjoner. Det er for øvrig godt dokumentert at barn som får hjelp av barnevernet, ikke lykkes godt nok i utdanningssystemet vårt. I en rapport fra 2008 framkommer det at tidligere barnevernsbarn har lavere utdanning, lavere inntekt, betydelig høyere arbeidsløshet enn øvrige innbyggere, og de mottar mer hjelpe- og omsorgstiltak. De har også dårligere helse og har gjennomgående lettere for å bli uføretrygdet som voksne. Mye tyder på at mange av disse ikke fikk den oppfølgingen som var nødvendig for at de skulle lykkes i skolen. Barnevernet har ansvaret for å gi barn og familiene deres nødvendig hjelp og støtte, og støtte barna aktivt i deres skolegang. Skolen har ansvaret for å tilrettelegge for at barnevernsbarn trives på skolen, oppnår gode resultater og fullfører videregående opplæring. Sammen skal de bidra til å gi barnevernsbarn en bedre hverdag og en positiv framtid.

om å gjennomføre samme type kartlegging av opplæringstilbudet i barnevernsinstitusjoner som fylkesmannen i Troms har gjort. På bakgrunn av den informasjonen vi da får, vil jeg drøfte med Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene om det er behov for tilsyn i noen fylker, og hvordan disse tilsynene eventuelt bør innrettes. Det er viktig å være klar over at det kan være flere og sammensatte årsaker til at barnevernsbarn ikke får den opplæringen de har krav på. Det kan være at fylkeskommunen ikke har rutiner for til enhver tid å ha oversikt over hvilke barn og unge som bor i barnevernsinstitusjonene. Det kan være forhold ved barnet eller ved den unge selv, slik som sykdom, skolevegring osv., og det kan være forhold ved institusjonen, f.eks. for dårlig samarbeid med skolen eller for dårlig kjennskap til elevenes rettigheter og plikter. Fylkeskommunens opplæringsansvar forutsetter gode samarbeidsrutiner mellom institusjon og ansvarlig fylkeskommune. Ikke minst er det viktig at institusjonene har gode rutiner for å melde fra til ansvarlig fylkeskommune om nyankomne barn og unge til institusjonen, slik at opplæringen kan komme i gang så raskt som mulig etter ankomst til institusjonen. Regjeringen har invitert fylkeskommunene – og alle har takket ja – til et systematisk samarbeid over en treårsperiode for å øke gjennomføringen i videregående opplæring – kalt Ny GIV. Dette er et partnerskap som har som mål å etablere varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Siden barnevernsbarn er overrepresentert i frafallsstatistikken, håper vi å nå mange av dem gjennom denne satsingen. Gjennom prosjektet får bl.a. mange elever på 10. trinn mulighet til å heve kompetansen sin, sånn at de har en bedre mulighet til å gjennomføre videregående opplæring senere. Ny GIV har også et prosjekt, kalt Oppfølgingsprosjektet, som er rettet mot unge mellom 16 og 21 år som verken er i videregående opplæring eller i arbeid. Etter et halvt år med prosjektinnsats har den fylkekommunale oppfølgingstjenesten på landsbasis halvert antallet ukjente ungdommer, altså ungdommer som vi ikke visste hvor var, fra nær til under 5 000. Det jobbes hardt med å få skoler, oppfølgingstjenesten og Nav til å samordne bruken av virkemidler overfor målgruppen. Unge under barnevernet og tidligere barnevernsbarn er helt klart en viktig gruppe vi forsøker å nå gjennom dette prosjektet. Gjennom partnerskapet Ny GIV har vi også tilknyttet Losprosjektet, som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har satt i gang. Prosjektet, som er satt i gang i 14 utvalgte kommuner i åtte fylker, er rettet mot ungdom i alderen 14–23 år som særlig sliter med å mestre skole og arbeidsliv. Målgruppen er avgrenset til ungdom med sammensatte behov, dvs. ungdom som har behov for oppfølging fra flere tjenester og aktører. Gjennom prosjektet skal ungdom får én person å forholde seg til som sørger for tett oppfølging og hjelper samt bidrar til at ungdommene bedre kan nyttiggjøre seg av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også satt i verk en rekke tiltak for å styrke skoletilknytningen til barnevernsbarn. Blant annet er det utviklet en praktisk skoleveileder som verktøy for fosterforeldre og ansatte i institusjoner. I Kunnskapsdepartementet har vi tatt kontakt med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet angående samarbeid om et oppdatert brev om varslingsrutiner når barn blir plassert utenfor hjemmet etter barnevernstiltak. De to departementene har også satt i gang et langsiktig arbeid for å bedre barnevernsbarns skoletilknytning. Første arrangement var en brukerhøring i februar i år. Denne brukerhøringen ga verdifulle innspill til hva som kan gjøres for å bedre barnevernsbarnas tilknytning til skolen. Neste skritt er å hente inn forskning om tiltak som kan bedre barnevernsbarnas skolesituasjon og utdanningsresultater.

mislykkes i skolen, har en bakgrunn fra barnevernet. Jeg tror det er viktig at vi ser på to aspekter ved denne saken. Jeg vil først sitere opplæringsdirektøren i Hordaland fylkeskommune, som i samarbeid med Bufetat og Bergen kommune har utgitt et hefte om nettopp

opplæringa.» Det er jo nettopp det denne saken dreier seg om, at institusjonen må gjøre det de kan for å motivere og legge til rette for at barnet skal gå på skolen, samtidig som også skoleansvarlig gjør det de er pliktig til å gjøre. Så tror jeg også det er viktig at vi legger til rette i skolehverdagen, fordi dette er barn som, i hvert fall mange av dem, har vanskelig for å ta til seg kunnskap på vanlig vis, nettopp fordi hodet og sjelen dessverre er fylt med veldig mange andre ting enn å suge til seg kunnskap. Da må vi se på hvordan disse ungene kan gis muligheter til å være i stallen eller på verkstedet og lære seg matematikk og andre skolefag der, og få et like stort utbytte av det. Derfor er jeg glad for at Høyre i sitt alternative budsjett setter av 30 akkurat til dette formålet. På den måten kan man tilby disse barna et mer individuelt skoleløp sånn at de kan lykkes ut fra sitt ståsted og gis muligheter til å klare seg senere i livet. Jeg har helt på slutten lyst til å å høre statsråden svare meg på nettopp det som handler om en individuell opplæringsplan, slik at disse ungene får et individuelt skoleløp. Hva tenker statsråden om det?

som gjør at de ikke i utgangspunktet nødvendigvis har lærevansker, men de kan få betydelige utfordringer med hensyn til å gjennomføre skolegangen sin. Mitt mål er at vi skal ha en romslig skole der det er mer vekt på praktisk varierte måter å arbeide på, noe som gjør at flere barn blir møtt i skolen på en sånn måte at de mestrer de Så er det selvsagt sånn at barn som har spesielle utfordringer, skal få tilbud. Jeg tror at skolen og barnevernet har vært to tunge institusjoner som hver på sin kant har hatt veldig forskjellige tradisjoner. Barnevernet skulle drive med omsorg, skolesystemet skulle drive med å ruste elever til faglige prestasjoner. Men begge disse to er avgjørende viktig for at barn skal ha et godt utgangspunkt i livet. Derfor er det avgjørende at vi klarer å få skole og barnevern til å samarbeide mye bedre framover. Vi må styrke dialogen og få opp forståelsen mellom barnevernet og skolen, sånn at barnevernsbarn får best mulig oppfølging fra begge Vi har opplysninger om barn som har vokst opp i barnevernsinstitusjon eller på andre måter har fått hjelp fra barnevernet. Dette er barn som i utgangspunktet ofte har ganske store utfordringer. Vi vet at av dem som er over 25 år, har vi i ungdomsbefolkingen generelt 40 pst. med høyere utdanning. Av dem som har hatt kontakt med

dag. Med de tiltakene jeg nå har satt i gang, med langt bedre samarbeid mellom barnevernet og skolen – og med fylkesmennene, som skal skaffe seg oversikt over hvordan det står til i sine fylker når det gjelder hva som er situasjonen – mener jeg vi må klare to ting. Det ene er at retten til skolegang – som gjelder dem som går i grunnskolen – skal innfris. Det andre er at vi skal sørge for at flest mulig ungdommer gjennomfører videregående opplæring. Da er barnevernsbarn en del av dem som er i målgruppen for En god skolegang, med vekt på kunnskap og mestring, er avgjørende for at unger skal ha muligheter i livet. Målet må alltid være å løfte elevene – aldri senke ambisjonene, uansett utgangspunkt. Interpellanten tar opp en viktig problemstilling med hensyn til barnevernsbarn og deres muligheter til å lykkes med skolegang og senere arbeidsliv. Barnevernsbarn har samme rettigheter som andre barn i henhold til opplæringsloven § 2-1, og de bør også sikres samme muligheter. De har krav på å møte en skole som er ambisiøs på deres vegne, og som gir dem den oppfølgingen de trenger for å lære, for å lykkes. Sånn som jeg ser det, er noe av det aller viktigste at barnevern og skole samarbeider godt om skolegangen til disse ungene. Barnevernet har ansvar for å følge opp barnevernsbarns skolegang, og utdanningsmyndighetene har ansvar for at barna får et tilpasset opplæringstilbud. Fra annen forskning vet vi at hjemmets engasjement for at barn skal gjøre en innsats på skolen, har mye å si for deres motivasjon. Blant elevene med høyest skolemotivasjon er det de som bor sammen med begge foreldrene, som er overrepresentert Et positivt og gjensidig samarbeid mellom hjem og skole er altså ofte av stor betydning for at barn og unge skal få realisert sine evner, anlegg og interesser på en god måte. Det bør være en påminnelse om hvor sårbare barnevernsbarn kan bli i forbindelse med skolegang. Da er det institusjonen de bor på, eller er knyttet til, som må ha deler av den støttefunksjonen som foreldre i veldig mange andre tilfeller fyller. Noen ganger får de den nødvendige støtten fra familien til barnet i tillegg, og mange ganger får de det ikke. Institusjonen må da gi ungene nødvendig hjelp og støtte så de kommer seg på skolen, sånn at de kan mestre fag og skolehverdag. Det er, som både interpellanten og statsråden har vært inne på, sammensatte årsaker til at barnevernsbarn kan streve i møte med skoleverket. Det kan være mangel på rutiner hos institusjonene, det kan være forhold som ungdommen selv strever med, som kan gjøre skolegang vanskelig, det kan være sykdom eller andre problemer som krever behandling og oppfølging, og det kan være andre sider ved skoleeierne og måten de praktiserer sin rolle på, som gjør det vanskelig for disse ungene. Jeg er kjent med at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skoletilknytningen til barnevernsbarn. Statsråden har vært inne på både en del av dem og en rekke av tiltakene til Kunnskapsdepartementet. I tillegg må det jobbes langsiktig og systematisk for å finne fram til de beste tiltakene framover. Her vil samarbeidet mellom barn og foreldre, i tillegg til fagfolk og forskere, være sentralt. Jeg har merket meg at regjeringen i statsbudsjettet for 2012 har foreslått at det skal bli avholdt en internasjonal forskerkonferanse om dette, og det mener jeg er et viktig skritt for å styrke tiltakene for å sikre skolegangen til disse ungene. Det er både nyttig og nødvendig å diskutere hvilke utfordringer og problemer barnevernsbarn kan møte. Derfor setter jeg også veldig stor pris på det Derfor setter jeg også veldig stor pris på det initiativet som interpellanten har tatt. Det er jo bare sånn man kan løse utfordringen med disse problemene. Samtidig må vi ikke la oss blende av de mange utfordringene som barnevernsbarn i institusjoner og skoler kan stå overfor. Tidligere denne måneden ble dyktige Cecilia Dinardi utnevnt til Årets forbilde av barne- og likestillingsministeren. Den unge jusstudenten kom til Norge fra Chile som asylsøker med sin mor og sine to søsken da hun var 12 år gammel. Da hun var 13, ble hun plassert under barnevernets omsorg, og hun bodde i fosterhjem. Da hun var 17, ble hun mor til ei jente. Men et sterkt engasjement for situasjonen til barnevernsbarn førte også til at Cecilia Dinardi allerede som 16-åring var med på å etablere det som i dag er Landsforeningen for barnevernsbarn. Hun sitter også i styret for Oslo barnevernsamband. Det viser at det ikke bare er mulig å lykkes som barnevernsbarn, det er også mulig å gå foran og være et forbilde for andre unge. Vår oppgave må være å

En studie gjennomført av NOVA, som flere har vært borti, viser at barnevernsklienter har dårligere levekår enn landets øvrige befolkning. De har bl.a. lavere utdanning, mindre inntekt, er oftere avhengig av sosialhjelp, og en høy andel av dem er arbeidsledige. Det er sikkert ulike grunner til at det er slik. Men det er ikke til å komme fra at grunnleggende ferdigheter og utdanning har utrolig mye å si for hvilke muligheter en får senere i livet. Undersøkelsen til Bufetat, som viser at 24 pst. ikke går på skolen i det hele tatt,

for at dette skal kunne fungere. Men det som også er veldig urovekkende, er at 25 pst. av de voksne som arbeider i barnevernsinstitusjon, ikke oppfordrer og oppmuntrer barna til å gå på skolen. En slik holdning og praksis stiller Fremskrittspartiet seg veldig kritisk til. Jeg mener at dette er å gjøre disse barna en bjørnetjeneste bjørnetjeneste og er noe som verken på kort eller lang sikt er med på å ivareta barns rettigheter i henhold til opplæringsloven, som gir alle barn i skolepliktig alder rett og plikt til opplæring. Det er heller ingen tvil om at mange banevernsbarn som har hatt og har det svært vanskelig, har behov må bli langt bedre ivaretatt enn det som i mange tilfeller blir gjort i dag, gjennom tilrettelagt undervisning, individuelle opplæringsplaner og bedre støtte i det daglige på skolen for å fullføre skolegangen. Men en forutsetning for det er at voksne sørger for at de kommer seg på skolen. Fremskrittspartiet vil likevel advare mot at og i utgangspunktet sett på som en svak gruppe som er mye svakere enn andre barn. Vi må ha samme forventninger og krav til disse barna som vi har til alle andre barn. Å ha forventninger og å stille krav til noen i denne sammenheng innebærer faktisk at vi bryr oss om og har tillit til at også barnevernsbarn er i stand til å ta til seg kunnskap og fullføre skolegang på lik linje med alle andre barn som vi har forventninger til og stiller krav til. Dersom dette ikke blir gjort, kan det tyde på en holdning som viser at en ikke har tro på det barnet som er barnevernets ansvar. Fremskrittspartiet mener at undersøkelsene om skolegang og levekår til barnevernsbarn viser at det er viktig for få til et sammenhengende samarbeid mellom alle de ulike instanser som har ansvar for at barnevernsbarn møter opp på skolen og blir gitt det utdanningstilbudet som de har krav på. Jeg registrerte også at kunnskapsministeren sa at ting var på gang – samarbeid var blitt opprettet mellom ulike instanser. Det er bra. Videre registrerte jeg at det ble reist spørsmål – de visste ikke helt hvem de barna det gjaldt, var, og hvor disse barna var. Fremskrittspartiet forventer faktisk at det allerede er tatt grep, slik at ansvarlige er blitt gjort oppmerksomme på at barnevernsbarns rettigheter blir opp. Dersom ikke det er gjort i brevs form eller gjennom annen informasjon, oppfordrer vi til det – gitt her som et strakstiltak. Det forventer vi faktisk. Når det gjelder at det i rapporten også ble reist tvil om om tallene er reelle i forhold til barns behov, mener vi at rapporten må bli tatt på alvor. Uansett om en er usikker på på alvor. Uansett om en er usikker på om tallet på barn som ikke går i skole, stemmer, og uansett om tallet på barn som ikke blir oppfordret til å gå på skole, stemmer, må det tillegges stor betydning, selv om en er usikker på tallet. Her har vi ingen å miste, for å si det slik, her må vi bare bruke alle instanser, slik at flest mulig får en god utdanning som er tilrettelagt for den enkelte.

virker fornuftig når det gjelder ungdom utover grunnskolealder, til de får oppfylt sin rett for videregående opplæring. Her kan også Ny GIV-tiltak bidra til at ungdom i barnevernsinstitusjon får oppfølging på linje med andre jevnaldrende. Men min bekymring er knyttet til hvilke virkemidler fylkeskommunen rår over når det gjelder barn og unge i barnevernsinstitusjoner som er under 16 år og i grunnskolealder. Her kan Ny GIV muligens være et bidrag i 10. klasse, med tiltak de forutgående ni årene i grunnskolen? Den nåværende fylkesmannen i Troms har personlig engasjert seg sterkt bl.a. i barnevernbarnas situasjon gjennom det tverrfaglige initiativet Sjumilssteget, FNs barnekonvensjon praktisert i kommunen. Ideen bak Sjumilssteget er å mobilisere alle gode krefter som jobber med barn, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Erfaringsmessig krever disse barna ekstra ressurser. Da er det viktig at fylkeskommunene har dialog med aktuelle kommuner, slik at tilbudet til elever fra barnevernsinstitusjoner sikres og tilrettelegges på en best mulig måte. Høyre er opptatt av at opplæringsretten også for barnevernsbarn i institusjon skal Jeg vil derfor be kunnskapsministeren i dag svare Stortinget på om departementet vil ta et initiativ overfor landets fylkeskommuner for å forsikre seg om at samarbeidet med kommunene er formalisert godt nok, slik at alle barn i barnevernsinstitusjoner faktisk får et skoletilbud, og ikke som i dag ser ut til å dette mellom flere stoler. Mange barn og unge i institusjonsbarnevernet opplever å flytte flere ganger. Da er det avgjørende å sikre en mest mulig sømløs overgang fra et opplæringstilbud til et annet. Høyre mener at slike overganger kan gjøres tryggere og bedre dersom disse barna følges av en skreddersydd opplæringsplan. Da kan de nye skolene lettere ta over stafettpinnen. Høyre er også opptatt av at opplæringstilbudet til barnevernsbarn i institusjon ikke må føre til ytterligere stigmatisering. Vi mener tvert imot at skolen kan være en svært viktig arena for å etablere nye venner og nye sosiale nettverk for disse barna, som ellers ofte bare har voksne mennesker rundt seg. I en utsatt livssituasjon, der det kan være langt mellom de faste holdepunktene, kan nettopp skolen bli et slikt positivt holdepunkt i hverdagen.

på at generelt gode ordninger som regel er best og nettopp det de trenger, de som er avhengig av særlig årvåkenhet og særlig oppmerksomhet. En solid god skole med et mangfold av metoder og fag, og som har som god praksis å se enkeltelevene og sammen med enkeltelevene få til gode læringsprosesser, er det som er så avgjørende viktig å få til her. Det presenterte statsråd Kristin Halvorsen på en god måte i innlegget sitt. Det er nettopp en slik skole som barnevernsbarna i særlig grad trenger. Jeg representerer et parti og et fylke som begge er veldig glad i fellesskolen og i Fylkeskommunen er alltid viktig. Det understreket bl.a. Linda C. Hofstad Helleland på en veldig god måte i denne forbindelse. Jeg tok kontakt med min egen fylkeskommune for å friske litt opp i hva deres vurderinger i denne saken var per dato. Jeg har sjøl vært fylkespolitiker i seks år der.

motbevise det jeg nå sier, eller vise at jeg kanskje har oppfattet det litt feil, og det setter jeg stor pris på. For hvis vi skal snakke om både danning og utdanning, må nettopp disse barna i størst mulig grad få lov til å oppleve det fine det er å tilhøre et læringsfellesskap på den måten. Så er jeg veldig glad for at statsråden understreket at dette skal alle landets fylkesmenn nå fokusere på. Jeg er glad for at den måten. Så er jeg veldig glad for at statsråden understreket at dette skal alle landets fylkesmenn nå fokusere på. Jeg er glad for at statsråden allerede har, slik jeg oppfattet det, besvart spørsmålet fra Elisabeth Aspaker om hun vil ta noe initiativ overfor fylkeskommunen her. Det var vel det statsråden sa, at en skal ta et slikt initiativ. Så vil jeg si litt mer om dette med ressurser: Her vet jeg at det er uenighet blant

å gi barna et hjem, blir det desto viktigere at vi tar det ansvaret alvorlig og legger til rette for at de får nettopp det. Der har vi en stor utfordring, for situasjonen i barnevernet er fortsatt alvorlig. fra Kristelig Folkeparti – i inneværende års budsjett med øremerkede midler som styrker det kommunale barnevernet. Det var bare et første steg i forhold til det som er behovet. Dessverre ser vi at denne veksten i stor grad stopper opp i budsjettet for 2012. Der er det stort sett bare midler til at man fortsatt kan ha i arbeid dem som ble ansatt på årets øremerkede midler. Det viser behovet for en helhetlig nasjonal opptrappingsplan for barnevernet, en plan som kan trappes opp uavhengig av om budsjettet ser slik eller sånn ut det ene eller andre året,

gjennomført utdanning, ikke nødvendigvis bare er en konsekvens av omsorgssvikt i deres opprinnelige hjem. Det er også en konsekvens av et barnevern som ikke er satt i stand av regjeringen til å gjennomføre den jobben, den enorme oppgaven og det enorme ansvaret de har tatt på seg ved å ta over omsorgen for barna. Nok en gang vil jeg understreke fra denne talerstolen at vi trenger

ut fra de behovene, de egenskapene og de mulighetene de har. En god skole møter et mangfold av elever med et tilbud til alle, enten man er teoristerk eller praksissterk – eller hva slags interesser og mulighet som ligger i hvert enkelt barn. For mange barn som har en krevende bakgrunn, vil det også være viktig med faste rammer i den skolen for

Det er alvorlig dersom det er slik at barn under barnevernets omsorg ikke får den opplæringen de har krav på. Barnevernsbarna er i ulike situasjoner og har ulik bakgrunn, og det er også slik at i enkelte perioder er situasjonen for enkelte så krevende at de ikke kan være i et klasserom. Da er det viktig at hver enkelt følges opp så tett at man får den opplæringen man har krav på – om ikke hver dag, så i hvert fall gjennom hvert enkelt skoleår – og får de samme mulighetene som andre til å klare seg i voksenverdenen. Alle må få opplæring, alle må få et godt hjem, og alle må få en god skole.

han ville. Han hadde hatt sommerjobb på en mekanisk bedrift i bygda, der han syntes var kjempemorsomt å jobbe. Han hadde vært på videregående og snakket med dem på den yrkesfaglige studieretninga han skulle gå, og han syntes at de lærerne var kjempekule. Dette hadde han lyst til. Han hadde til og med sett seg ut hvor i bygda han hadde lyst til å bo når han skulle flytte for seg sjøl. Så snakket jeg med dem som jobbet på barnevernsinstitusjonen. De sa at det er veldig vanskelig med gutter som har så klare forventninger om hva de skal, hva de vil, og hvilke drømmer de har om framtida – når de vet at det hvert halvår blir vurdert om de i det hele tatt får bo videre på den institusjonen. Det går ikke an for barnevernsbarn å ha drømmer og planer som går utover seks måneder. Det går ikke an å drømme om hvilket boligfelt i bygda du har lyst til å bo i, eller hvilken mekanisk bedrift du drømmer om å få lærlingplass på. Det går ikke engang an for lederen for barnevernsinstitusjonen å gå ned til den mekaniske bedriften og spørre om en kan gjøre en langsiktig avtale om sommerjobb, juleferiejobb og lærlingplass – fordi en ikke vet om vedkommende er her om seks måneder. dette. Dette er kanskje en av de store utfordringene vi har innenfor barnevernet også, at vi ikke gir ungene muligheten til å planlegge livet på lang sikt. Selv om vi alle mange ganger har snakket med 15-åringer som ikke vet hva de vil bli, er det ganske mange 15-åringer som vet ganske mye mer når du begynner å spørre dem litt inn i margen om hva de ikke vil gjøre, og hva de har lyst til å jobbe med. Jeg tror at et av kjernepunktene i årsaken til at mange faller utenfor systemet, er at det ikke går å ha denne langsiktigheten, det går ikke an å drømme seg bort når det gjelder hva man skal bli – for kanskje har mamma fått orden på rusproblemet sitt og om seks måneder skal man tilbake til henne. Kanskje skal vi også se på mange barnefaglige grep knyttet til f.eks. hvor mange sjanser mammaer og pappaer skal ha, og hvor mange ganger du skal kunne rive unger opp med rota, når de har lyst til å planlegge framtida si. En annen viktig utfordring er skolens innstilling. På min reise rundt omkring på barnevernsinstitusjonene sier de der veldig ofte at de har et godt samarbeid med skolene, at de syns lærerne tar det som en utfordring å få unger med litt ekstra ballast inn i klassen,

Dette er ikke bare et formalistisk spørsmål, dette må ikke bli «skuvmil» mellom Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Dette handler ikke om ansvar, heller ikke om penger – det handler bare om at noen må følge opp det ansvaret de faktisk har, og følge det helt i mål. Da må det ikke bli en krangel mellom to departementer, da må det ikke bli en krangel mellom statlige, kommunale og fylkeskommunale et ansvar for å få disse ungene på skolen uansett. Man må ha forpliktelser, det må ikke føre til ansvarsfraskrivelse, man må ha klare spilleregler for hva dette er, for dette er en av nøklene til å få disse ungene på riktig «track» senere i livet. Du bygger opp mye kompetanse i løpet av et barnevernsliv på hvordan du skal forholde deg til et offentlig støtteapparat – du blir kjempegod på det, du skal forholde deg til et offentlig støtteapparat – du blir kjempegod på det, du blir kjempegod på vanskelige samtaler og kjempegod på mange andre ting. Men det er faktisk også viktig at disse ungene får en ballast, slik at de kan klare seg i yrkeslivet, forfølge sine drømmer og forfølge den kunnskapen de trenger for å kunne skape seg ei framtid. For et par–tre år siden møtte jeg en møtte jeg en representant for foreningen Voksne for Barn. Han sa en setning som jeg aldri kommer til å glemme: «Vegen fra sviktet, krenket barn til vanskeligstilt, ruset og syk voksen er asfaltert med bindsterk forskning om at sammenhengen er entydig.» Det betyr at hvis du har det vanskelig som unge, er riskoen for at du får det vanskelig som voksen, veldig stor.

gjør. Jeg vil si litt om det representanten Skei Grande tok opp – dette med tryggheten i barnevernet, som jeg tror er helt avgjørende. Derfor har vi og statsråd Lysbakken nå forsøkt å endre systemet og søkt å få et samarbeid med frivillige organisasjoner. Vi er nødt til å få kontrakter som gjør at unger kan være trygge i hjemmet sitt. Vi må få vekk anbudssystemet, sånn at unger vet hvor de skal bo. Jeg er også helt enig i at vurderingen om hvor mange sjanser foreldre skal få, er vi nødt til å gå inn i – og det jobbes det med – fordi det skaper utrygghet som gjør at du ikke greier å få hodet ditt inn på det å lære, tror jeg. Det er kjempeviktig, kanskje viktigere for disse mange andre. Jeg vet dessverre at folk som har vanskeligheter i livet sitt stigmatiseres. Det handler om verdisett som vi andre har, og som samfunnet bærer med seg – at man faktisk blir ekskludert og sett litt ned på, og i hvert fall ikke stolt helt på, hvis man har sosiale vanskeligheter. Det er et stort kulturproblem som man må ta fatt i, også i skolen. Det er viktig med god opplæring, at den må være individtilpasset. Da må det være et samarbeid internt i skolen med de andre instansene, som har vært sagt, men også med andre. Det kan hende at man i noen perioder er nødt til å finne noen andre arenaer å ha opplæring på, som kan løse noen vonde knuter som har kommet fordi man opplever mobbing, stigmatisering eller det å være utenfor i den situasjonen man er i. Det er så et spørsmål om litt av det siste som Skei Grande var inne på – dette at man lærer å gå på trygd. Det er nå kommet noen nye rapporter som tilbakeviser dette. Det er ikke dét man lærer – men man bærer med seg de samme sosiale problemene, det er de sosiale problemene man har, som går i arv. arv. Det betyr at det er de sosiale problemene vi er nødt til å løse. Jeg vil bare vise til at da vi behandlet lov om sosiale tjenester i Nav sist gang, la vi inn en ekstra setning i formålsparagrafen om at de sosiale tjenester spesielt skal ta hensyn til barn. Vi vet at disse barna også ofte er i kontakt med sosialtjenesten.

de kommunale tjenestene for barn og unge og de sosiale tjenestene, og de er dessverre nedslående, ved at dette ikke blir fulgt opp på en tett og god måte, og at man ikke sørger for at disse familiene får støtte tidlig nok til å kunne snu en vanskelig livssituasjon. I 2009 la Flatø-utvalget fram sin rapport om bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. unge. Det jobbes det med internt i regjeringa, og det er mange gode forslag der som jeg er helt sikker på ville bedret situasjonen for barn som trenger hjelp fra barnevernet framover. Så er det mange tall som tyder på at de barna som får et ettervern i barnevernet etter at de er fylt 18 år – det er jo få ungdommer ellers som ikke får hjelp av

saken. Det er viktig at vi som politikere setter denne saken på dagsordenen, ikke minst for de barna dette gjelder. Jeg er veldig glad for den undersøkelsen som er foretatt blant barnevernsbarna, for det er nettopp det som gir oss en mulighet til å se hvordan det ligger an. Samtidig er det arbeidet som fylkesmennene i de ulike delene av landet skal gjøre, viktig, slik at vi får en oversikt over hvordan det ligger an. Dette er, som sagt, den første undersøkelsen som er gjort, og jeg tror videre det er viktig å følge opp for å se om det vil skje en endring, og om de tiltakene som settes inn, vil ha noen virkning for disse barna. Til representanten Aksel Hagen, som sier at det skurrer litt for ham når han hører at vi i Høyre i vårt alternative statsbudsjett legger opp til 30 mill. kr til tiltak for disse ungene: Jeg vil berolige representanten med å si at midlene skal gå til de barna som har prøvd alt, der systemet har prøvd alt, der ungene selv har prøvd alt for å passe inn i fellesskolen, men hvor barnet kanskje er så traumatisert at det ikke klarer å forholde seg til en skolehverdag, som alle de andre barna gjør. Da må de ungene også få en sjanse. Til tross for den skaden som foreldrene og omgivelsene har påført dem, må vi gi også de ungene en sjanse. Det er kanskje nettopp med snekkerarbeid eller ute i verkstedet disse ungene i en periode har muligheten til å tilegne seg noe av den kunnskapen som de ikke får gjennom den vanlige fellesskolen, som de andre ungene får. Disse midlene er ment å brukes på de midlene er ment å brukes på de ungene som er i en vanskelig situasjon, og der man har prøvd alt for at de skal kunne håndtere en vanlig skolehverdag. Så tror jeg også det helt til slutt er viktig å nevne for statsråden at Høyre her håper at det blir et veldig nært og godt

skulle være noe som for barnevernsbarn er slik, og for andre barn er slik, men at de har en krevende hjemmesituasjon, ofte mye større omskiftelighet i sin tilværelse enn det andre barn har, og at det er et krevende utgangspunkt for stabilitet og trygghet rundt læring. Derfor er det veldig viktig det som mange har vært inne på, de forholdene som ligger utenfor det skolen kan tilby noen løsninger på, nemlig stabilitet rundt de tilbudene man får, at vi klarer å få til gode samarbeidsavtaler med ulike barnevernsinstitusjoner, slik at dette ikke er barn som er ute på anbud til stadighet. Men det dreier seg også om stabilitet rundt situasjonen i forhold til hva som måtte være foreldrenes rettigheter, at en – hva skal en si – vektlegger det som er barnas behov. Det er vel noe som flere talere har vært inne på, at en i altfor lang tid ikke har sett barn som selvstendige subjekter i situasjoner der familiene har det vanskelig, men at de har fulgt med på et eller annet som er tilrettelagt for de voksne. Jeg er veldig nøye på å understreke det utgangspunktet, for jeg synes at i noen innlegg har det vært noen tendenser til å si at dette er barn som har så krevende utgangspunkt at de må være i stallen, de må være på verkstedet, eller de må må ha helt spesielle tilbud. Det som er avgjørende viktig for alle barn, er at de lærer å lese, skrive og regne skikkelig, for det er grunnlaget og utgangspunktet for å kunne gjennomføre videregående opplæring og stå sterkt senere. Derfor er det med å få til en variert skole som gjør at barn med ulike utgangspunkt får muligheten til å tilnærme seg det stoffet man skal lære, på forskjellige og varierte måter, avgjørende viktig for alle barn – ikke bare for barnevernsbarn, men for alle barn. I tillegg er det å ha et godt læringsmiljø avgjørende viktig for alle. Man kan jo veldig fort tenke seg at hvis man skifter skole og klasse ofte, så ligger det noen spesielle utfordringer i det. Så er det selvsagt sånn at barn som er under omsorg av barnevernet, har har krav på akkurat det samme som alle andre barn som har behov for spesialundervisning eller spesielt tilrettelagte tilbud, nemlig faktisk å få det. Fylkesmennene i alle fylker skal gå igjennom hva som er situasjonen når det gjelder barn som bor på institusjon, både med tanke på fylkeskommunen og med tanke på de kommunene som eventuelt skal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

men det henger godt sammen med kommuneøkonomi, som det er bemerket i innstillinga. Kulturskolene er ikke noe som ble funnet opp i denne sal. Kultur- og musikkskoler ble funnet opp for mange tiår siden av engasjerte lokalpolitikere som kjempet fram dette tilbudet på lokalt plan. Det er ingen nasjonale politikere som kan ta æren for at vi nå har et godt nettverk av kultur- og musikkskoler rundt omkring i landet. Kultur- og musikkskolene har en karakter som gjør dem annerledes enn andre skoler. Det er at de trenger en tilgang på kunstnere og fagfolk som er litt annerledes enn lærere som har gått igjennom vanlig lærerutdannelse. Musikk- og kulturskoler er veldig forskjellige rundt omkring i landet fordi ulike kunstnere har vektlagt ulike kunstuttrykk. Det å ha store pedagoger

som gir unger tilbud, både gjennom frivillige organisasjoner, gjennom nettverket vi har av skolemusikkorps, eller gjennom alle de små teaterinstitusjonene på frivillig basis som vi har rundt omkring i landet. Men vi har også profesjonelle kunstnere som bygger opp kulturtilbud til unger og gir skoletilbud innenfor både teater, musikk og dans. Alt dette i sammenheng utgjør det nettverket og det tilbudet vi gir til ungene våre. Fordi randsonetilbudene er forskjellige, er også tilbudet i den enkelte kommune forskjellig. I Venstre-styrte Vestre Slidre, f.eks., har man inkorporert hele musikk- og kulturskolen i skoletilbudet. Der utgjør den en del av noe som fører til at nesten alle elevene i den kommunen går på musikk- og kulturskole, med ulike tilbud. Men det er også en kommune med sterke kunstneriske miljøer, spesielt knyttet til folkemusikk, som gjør at man har tiltrukket seg kunstnere som kan bidra til å være pedagoger innenfor dette feltet. Så tilbudene er veldig Tilbudene er stort sett skapt lokalt, og tilbudene er bygd på det lokale kunstnertilbudet. Så er det kommuneøkonomien som gir rammer for pris, for hvor utbredt tilbudet er, og for hvor mange unger som faktisk får plass. Så jeg frykter at dette også blir en debatt om kommuneøkonomi. Men det å lage en statlig opptrappingsplan akkurat nå tror vi ikke er det grepet som trengs. Det trengs grep innenfor kommuneøkonomi, men man trenger først og fremst å støtte opp under alle de lokale politikerne som har lyst til å være med på å utvikle dette tilbudet. Det kan ikke skje via statlige direktiver, det må først og fremst skje ved at man dyrker fram et lokalt kulturliv bygd på frivilligheten, på kunstnerne og kulturgründerskapet som fins i hvert enkelt

I Kulturløftet II skriver vi at kulturskole for alle barn som ønsker det, er målet. Det skal gjennomføres et kulturløft, slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet og til rimelig pris. Det skal sikres ved statlige stimuleringsmidler, men også ved en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO og skoler skal utredes. Det skal være rom for ulik organisering av kulturskolen, og det skal legges til rette for å synliggjøre kulturskolen og for talentutvikling. I likhet med saksordføreren, synes jeg det er veldig positivt at Kristelig Folkeparti er utålmodig, som tar opp kulturskolen og er ambisiøs på vegne av denne og de barna som ønsker å lære mer, men jeg mener at vi også har en veldig ambisiøs regjering. I år er det fra statens side fordelt 40 mill. nye kr til kulturskoletilbud fordelt på 210 søkere, og disse pengene er også et godt bidrag til et mer mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Det er, som saksordføreren sier, kommunene som har ansvaret for musikk- og kulturskolen. Ettersom midler til kulturskolen er en del av rammeoverføringen til kommunene, er regjeringens viktigste kommuneøkonomi. I 2010 ble det brukt 280 mill. kr mer på de kommunale musikk- og kulturskolene enn det siste året med direkte overføringer fra staten. Det betyr at vi har en regjering som prioriterer fellesskap framfor skattelette. Vi har altså styrket kommunene med 43 mrd. kr siden vi tok over i 2005, men det betyr også at vi har kommunepolitikere – lokalpolitikere – som prioriterer kulturskolen sterkt, sterkere enn man gjorde fra statens side før ansvaret ble overført. Det foregår veldig mye bra arbeid ute i norsk kulturskole. Det er et mål at alle som vil, skal kunne ta del i kulturskolen. I likhet med tanken om fellesskole for alle handler en kulturskole for alle om at alle barn, uansett bakgrunn, skal kunne delta. Det er viktig at inngangene til kulturskolen er brede, og jeg synes at kulturskolen er et veldig godt virkemiddel for å nå flest mulig barn og unge. Det er ikke gitt at Norges neste store musikktalent kommer fra et hjem der man dyrker kulturliv og musikk. Dette kan være egne interesser som barn finner, og som man skal få muligheten til å utvikle seg i, selv om ikke forholdene nødvendigvis ligger til rette for det hjemme.

men dette er en regjering som har for vane å levere på løfter. Vi har ikke sagt at dette løftet skulle vært oppfylt i 2011. Vårt mål er å jobbe med dette fram til 2014. Vi gjennomførte Kulturløftet I, vi har levert full barnehagedekning, vi har overoppfylt Nasjonal transportplan, og denne regjeringen gir også 1 pst. av BNP i bistand, som også har vært en veldig viktig sak for Kristelig Folkeparti. Vi skal oppfylle Kulturløftet II. Jeg tror at hvis Kristelig Folkeparti virkelig er opptatt av kultur og frivillighet, skal de i framtiden også rette blikket mot de rød-grønne partiene.

Vi ser at Kulturrådet blir sterkere og sterkere. Vi ser at Kulturrådet blir mer dominerende i Kultur-Norge. Den store pengesekken til Kulturrådet kommer sjelden kommunene til gode, kommer sjelden hele landet til gode, når sjelden hele bredden og når sjelden de unge utover i landet. Kulturskolen kan være med på å hjelpe til med rekruttering til korps. Tenk deg en 17. mai uten et korps, den viktigste delen av vår kulturarv, i hvert fall en av de viktigste! Muligens bør man også vurdere å flette korps og kjennskap til korpsinstrumenter inn i musikkundervisningen i skolen. Kultur er et vidt begrep, som omfatter alt som kjennetegner nasjonen og folket. Det er resultatet av de valg og verdier en har samlet seg om, både åndelig og materielt. Det er en viktig oppgave å verne om vår kulturarv. Mye av trivselen for folk flest er knyttet til opplevelser på det kulturelle området. Lokalt i kommunene er det mange profesjonelle kunstnere, lag, foreninger og enkeltpersoner som gjør en fremragende innsats for å tilby et variert utvalg av kultur. Kulturskolen er et viktig bidrag der, men dessverre opplever de fleste at det er lange køer, lange ventelister, kultur. Kulturskolen er et viktig bidrag der, men dessverre opplever de fleste at det er lange køer, lange ventelister, og at den kun er for de få – det kan i hvert fall virke sånn. Det må oppmuntres til fortsatt frivillig innsats, og derfor vil vi være positive til å se på muligheten for en tettere samhandling mellom kulturen, kommunene og kulturskolene. Et levende kulturliv i bygd og by har stor betydning Dette beriker fellesskapet, det gir samhold, trivsel og tilhørighet. Vi har innført Den kulturelle skolesekken i Norge. Den er bra. Problemet med Den kulturelle skolesekken er at den for barna ikke er frivillig. Vi som voksne kan velge hvilket kulturtilbud vi ønsker å se på, men barna blir tvunget til å se det som Jeg mener vi bør ha Den kulturelle skolesekken, men vi bør diskutere innholdet og valgfriheten til barna som mottar det kulturtilbudet. En kulturarena er et rom som forener folk. Kun ved utvidelse av kulturskolen kan flere ta del i både den skapende og den opplevende delen av kunsten. Kulturlivet bør utvides til kulturarenaer som innlemmer flere for å oppnå økt verdi og opplevelse. Kulturskolen være en slik som vil gi ringvirkninger til nye arenaer som f.eks. grendehus, samfunnshus, kulturhus, nærmiljøanlegg, skolebygg, kafeer, restauranter, bibliotek, museer, konsertsaler, teater, kinoer, operahus, torg etc. Der bør kulturskolen stå sentralt. Barn og unge må prioriteres når offentlige kulturmidler skal fordeles. fordeles. Da er kulturskolen en viktig aktør for å nå bredden utover i hele landet. Mangfold er viktig, rammebetingelser vil spille en sentral rolle om mangfoldet fortsatt skal blomstre. Det er en forutsetning for vekst innenfor kultursektoren at det satses på samhandling mellom frivillig sektor og profesjonelle aktører. Dette vil på sikt gi de mest mest varige ringvirkninger både for kulturen og for samfunnet for øvrig. Takk til sakens ordfører og

å rette oppmerksomheten mot denne betydningsfulle delen av det lokale kulturlivet. Høyres overordnede mål i kulturpolitikken er ønsket om et fritt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Det er viktig å understreke at kulturlivet må kunne leve sitt eget liv og ikke styres i detalj av den store staten. Dette er også et prisnipp vi mener det er viktig å legge til grunn når det gjelder kommunenes muligheter for å utforme sitt musikk- og kulturskoletilbud. Kultur og språk er grunnlaget for identitet og tilhørighet, men også et middel til å forstå andres kultur og religion. Høyre ønsker et mangfoldig og variert kulturliv, hvor flest mulig får anledning til å delta og bidra. Musikk- og kulturskolene spiller her en utrolig viktig rolle og representerer en arena hvor mange barn første gang får sitt møte med kulturlivet. Og de møter heldigvis, mange plasser, veldig profesjonelle, engasjerte lærere som virkelig gir dem stor inspirasjon til det de selv legger i vei med.

og jeg tror vi har mye godt i vente når vi ser hvor godt det gror, og hvor mye godt arbeid som gjøres i de lokale musikk- og kulturskolene. Det er nesten slik at det er blitt en selvfølge at kommunene har et tilbud og strekker seg utrolig langt for å både holde liv i og utvikle den musikk- og kulturskolen som de har igangsatt. igangsatt. Det er også veldig mange stolte ordførere som henter fram innslag fra musikk- og kulturskolene når de har arrangementer i kommunen. Vi ser at her skjer det veldig mye bra. Høyre er opptatt av å styrke det gode arbeidet som gjøres i musikk- og kulturskolene, og vi har tro på at erfaringsutveksling mellom kommunene ytterligere kan bidra til å legge nye alen til kvaliteten på det tilbudet som gis. Jeg synes det er oppmuntrende å se hvor flinke kommunene er blitt også til å samarbeide når det gjelder talentutvikling. Musikk- og kulturskolene er utvilsomt sentrale arenaer for talentutvikling, og når vi ser på hva som har skjedd med Ungdommens kulturmønstring,

vi også på denne måten ta vare på små kunst- og kulturuttrykk og noen tradisjoner som er i ferd med å dø hen, men hvor vi ser at musikk- og kulturskolene faktisk kan spille en viktig rolle. Mange kommuner er opptatt av å ta vare på sine lokale særegenheter gjennom musikk- og kulturskolen. Det må de få lov til. Derfor er det viktig at selv om vi har statlige rammer rundt dette, må det innenfor de rammene være stor mulighet for musikk- og kulturskolene lokalt til å dyrke den lokale egenarten, til å dyrke og ta vare på den lokale kulturen og til å dyrke og videreformidle den lokale historien. Jeg vil bare avslutte med å si at det gjøres mye godt lokalt arbeid for å styrke musikk- og kulturskolen. Jeg viser til at f.eks. Sandnes kommune ble årets kulturkommune nettopp med den begrunnelsen at de var så flinke til å involvere barn og unge i det lokale kulturarbeidet.

som satser på et yrke innenfor kunst- og kultursektoren. Kulturskolen spiller ofte også en viktig rolle som et slags lim, en sammenbinding, i det lokale kulturlivet, f.eks. samarbeides det godt med skolekorpset. Og til slutt, og det er særlig viktig for meg: I mange kommuner har en fått til et godt samarbeid mellom skole, SFO og kulturskolen, og da begynner det virkelig å svinge. Vestre Slidre har vært nevnt her,

Dette samarbeidet må vi bygge videre på. Men for en som mener at både SFO og skolen er tjent med å knytte et tettere samarbeid med kulturskolen, skal jeg understreke to ting: For det første skal det ikke ødelegge eller forstyrre kulturskolens egen identitet og mulighet til å ha en aktivitet utenom det som har med skole og SFO å gjøre.

måte vegen framover og oppover på dette feltet, både for kulturskolen i seg sjøl og for samarbeidet mellom skole, SFO og kulturskole. For å komme videre tror jeg vi skal gjøre tilsvarende utviklingsarbeid når det gjelder skole og SFO. Truls Wickholm var litt inne på de ambisjonene som Arbeiderpartiet har, og som absolutt SV har, om å utvikle en helhetlig skole, en helhetlig skole, en helhetlig skolehverdag som blir en form for heldagsskoletilbud. Det skal ha alt det «skolske» i seg, men i tillegg skal man fylle på med aktiviteter, f.eks. idrett og kulturaktiviteter. Det å få skrevet opp det konseptet og la det møte det gode som har skjedd når det gjelder å skrive opp ambisjoner på kulturskolefeltet, tror jeg vil bli en spennende miks. miks. Da har jeg allerede sagt at jeg syns at staten skal prøve å komme sterkere inn for å inspirere og smøre en slik utvikling. Men jeg tilhører også absolutt dem som mener at dette primært skal være en kommunal aktivitet, det skal tilhøre den kommunale porteføljen, som det også veldig klart er slått fast i Da er vi fort litt inne på – det ser en jo også i denne debatten – den klassiske debatten som vi har mellom stat og kommune, om hvem som mest skal ha skylda når en aktivitet ikke får det omfanget og det innholdet i seg som en ideelt sett kunne ønske. Det jeg da vil si – og anbefale – er at dette må være et glimrende tema å ta opp i mellom KS på den ene sida og regjeringa på den andre, slik at en felles får løftet dette opp på dagsordenen. Det er litt ekstra krevende, for her er det kanskje tre departementer som tungt må inn i bildet for å samordne det statlige arbeidet. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet peker seg tydelig ut. Men i og med at dette i stor grad dreier seg om kommunene, må også Kommunal- og regionaldepartementet spille en viktig rolle i det videre statlige

å bli så tung, brei, spennende og viktig som vi alle ønsker. La meg aller først starte med å si at jeg deler forslagsstillernes ønsker om et større kulturskoletilbud og et breiere kulturskoletilbud for alle som ønsker det. Jeg kommer sjøl fra et lokalsamfunn der kulturaktiviteter er en sentral del av bygdelivet. Korps, kor, band og amatørteater engasjerer bredt blant både ungdom, barn og voksne, mye takket være kulturskolen som introduserer barn for kulturaktivitet sjøl om de i utgangspunktet kanskje ikke hadde tenkt å spille klarinett eller prøve bassgitar. Når kulturskolen henvender seg til alle, blir terskelen for å prøve ut noe nytt lavere. Jeg tror faktisk jeg hadde 18 av 24 som meldte seg for prøvespilling i den andreklassen jeg hadde en gang, da korpset hadde hatt en rekrutteringskonsert på skolen. Jeg vet ikke hvor mange av dem som har fortsatt, men noen av dem er det, tror jeg. Kulturskolen har også betydning for den profesjonelle delen av kulturlivet. For en tid tilbake snakket jeg med en som heter Ola Hilmen, som opprinnelig er fra Valdres – ikke fra Vestre Slidre, men Nord-Aurdal – og er nå en av dem som livnærer seg som musiker i Oslo, og er kjent fra Valkyrien Hilmen fortalte at tilbudet i den lokale kulturskolen hadde hatt en direkte og avgjørende rolle for hans vegvalg. Han understrekte det faktisk flere ganger i den samtalen som vi hadde. Jeg har bare lyst til å understreke det som saksordfører Skei Grande sa om de profesjonelle kunstnerne i lokalsamfunnet – hvor viktige de er. Frikar er et annet eksempel fra Valdres i så måte. Kulturskolens betydning både for den enkelte, som støtte og samarbeidspartner for frivillig kulturliv, og for å utvide den kulturelle kapitalen i et lokalsamfunn er stor. Regjeringspartiene har derfor satt seg høye mål for kulturskolene i Kulturløftet II, der det heter at: «Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Utvikling av et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling.» Dette gjorde vi – vel vitende om at veien fram ville bli krevende, med lange ventelister, og at mange kommuner slet med å holde prisene nede på et akseptabelt nivå. I tillegg er kulturskoletilbudet svært ulikt organisert fra kommune til kommune. Det blir ofte mye snakk om ventelister og egenbetaling når temaet «kulturskole» er oppe til debatt. Det er viktig, men for at kulturskolen skal fylle sin fulle funksjon, mener jeg en også må være opptatt av å sørge for at tilbudet i kulturskolen er så bredt at det appellerer til alle. Når det gjelder innholdet i og innretningen på grunnskolen, er jeg opptatt av å gi alle elever en sjanse til å lykkes og til å oppleve mestring. Den samme grunnholdningen mener jeg vi bør ha for kulturskolen. Som jeg var inne på innledningsvis, gir kulturskolen en forsmak og en anledning til å prøve ut «om dette er noe for meg». Er du interessert i musikk, oppsøker du trolig korpset eller starter Men interessen og talentet for andre kulturuttrykk der det ikke finnes noe tilbud gjennom frivillige lag og foreninger, må kanskje lokkes fram gjennom at ungene introduseres for det via kulturskolen. På samme måte som utviklingen av valgfag i ungdomsskolen må ta høyde for at ulike elever velger ulikt, må utviklingen av kulturskolen også imøtekomme ulike interesser. I disse dager sitter det kommunepolitikere og strever med å få budsjettet for 2012 til å gå opp. reiser mye rundt og prater med forskjellige lokalpolitikere. Veldig mange tar opp akkurat behovet for å utvikle kulturskolen og gi flere mulighet til å utfolde seg gjennom den. Jeg har derfor tro på at lokalpolitikere vil strekke seg veldig langt for å kunne skjerme dette tilbudet og forhåpentligvis prioritere, slik at kulturskolen får anledning til å utvikle seg videre. I tillegg til å bidra til å gi kommunene et bedre økonomisk grunnlag har regjeringa også – som forslagsstillerne refererer til oppnevnt et utvalg som bl.a. skulle se nærmere på de utfordringene og de mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan knyttes til skoledagen. Utvalget ble bedt om å se nærmere på aktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet for å nå målsettingen i Kulturløftet Jeg mener derfor det er lagt et godt fundament for at målsettingen om en kulturskole for alle som ønsker det, skal kunne realiseres i et samspill mellom stat, kommune, frivillig sektor og profesjonelle utøvere – til beste for ungene og til fremme av kultur lokalt. Det er

ikke minst gjennom å arbeide for lovfesting av tilbudet. Så har vi hatt og er i ferd med å gjennomføre et kulturløft. Her er det mye bra, og gjennom de siste årene er det lagt på om lag 3 mrd. kr til kultursektoren over statsbudsjettet. Veldig mange gode tiltak og gode kulturtilbud har fått støtte. Likevel er det noen hull i denne satsingen. Frivilligheten er blitt lovt opptrapping mot full momskompensasjon. Vi så i budsjettet for neste år at det er et løfte som kun gjelder i de årene det er ekstra gode rammer i i budsjettene. Vi ser at kor får ca. 2 ‰ av hele kulturbudsjettet, enda sangstemmen faktisk er det eneste instrumentet vi alle sammen har, og korbevegelsen er den nest største folkebevegelsen etter idretten. Vi kan også nevne trosopplæringsreformen, som regjeringen heller ikke følger opp, og et breddetiltak som går til barn og unge, der barn og unge selv får utfolde seg. Til slutt på listen kommer kulturskolen, punkt nr. 2 i Kulturløftet. Her er det heller ingen satsing fra regjeringen, ingen penger så løftene skal kunne oppfylles. Basert på denne listen er en veldig nærliggende konklusjon at for regjeringen dreier Kulturløftet og kultursatsing regjeringen dreier Kulturløftet og kultursatsing seg om å gjøre oss alle sammen til publikum. Det som er gjennomgående for de svarte hullene i regjeringens kulturpolitikk, er nettopp at når det gjelder bredde, dreier det seg om at vi selv skal få lov til å skape, at vi selv skal få lov til å være utøvende, og at ikke minst barn og unge skal få anledning til selv å lære seg å skape og utøve kunst og kultur.

Ja, det kan vi gjerne gjøre, men hva ser vi når vi retter blikket mot de rød-grønne på kulturskoleområdet? Vi ser ingen plan, vi ser ingen strategi for å oppfylle egne ambisjoner. Hva er da svaret? Ja, det er greit at man ikke skal gjennomføre dette i 2011. Men hva er planen? Hva er strategien for å gjennomføre dette løftet? Skal det gjennomføres, eller skal det ikke? Når vi retter blikket mot de rød-grønne i kulturskolepolitikken, ser vi én ting vi ser løftebrudd. Det sies nå at det er et mål å gjennomføre dette innen 2014. Ja, det er faktisk ikke det som står i Kulturløftet. Det står: «Det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.» Det er vist til 40 mill. kr i stimuleringsmidler. Ja, det ligger 40 mill. kr der, med klare føringer – så klare føringer at det bare er bestemte modeller av kulturskolen som kan søke om disse pengene, nemlig de som vil gå mot et samarbeid med SFO. Det er flott for dem som ønsker det. Det er andre lokale modeller som ikke kan bruke de midlene, og så argumenterer man mot en opptrappingsplan med at det vil være en overstyring av kommunene. Dette henger ikke på greip! Nå er det på tide at Kulturløftet begynner å nå ut til barn og unge, nå er det på tide at Kulturløftet også begynner å dreie seg om at vi alle sammen skal kunne lære oss å skape og utøve selv, ikke bare være publikum. Jeg tar opp forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti. Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er vel fortjent at Stortinget har anledning til å diskutere kulturskoletilbudet rundt omkring, selv

barns utvikling, i forhold til kulturlivet i kommunen, i forhold til identitet og i forhold til mestring på veldig mange områder – at det er på sin plass at Stortinget diskuterer kulturskolepolitikken i sammenheng. Det har forslagsstillerne i denne saken gitt oss anledning til.

med en meget beskjeden påplussing på kulturbudsjettet – jeg tror det var 30 mill. kr – og det var godt nytt. Det var mye penger på mange viktige kulturområder. Men vi snakker om helt andre summer når vi diskuterer kultur i dag enn vi gjorde den gangen. Etter Kulturløftet I, som ble fulgt til punkt og prikke fra 2005 til 2009, lagde vi Kulturløftet lagde vi Kulturløftet II. I Kulturløftet II ble vi også forpliktende i forhold til kulturskolen, for å se den som en del av det som skulle være Kulturløftet. Derfor er kulturskolene nå en del av Kulturløftet II – ett av 17 punkter som Kulturløftet

Fra SVs side var det to ting vi fryktet den gangen. Den ene var at kommunene ville benytte anledningen til å kutte i kulturskolemidlene. Det har de ikke gjort. Det er slik at midlene til kulturskolen nå er høyere enn de var i 2003 – siste året med øremerking – ca. 280 mill. kr mer. Der tok SV feil – så langt, og så får vi se hvordan det går videre. Den andre frykten var at prisene ville gå dramatisk opp, og der fikk vi rett. I forbindelse med innlemmingen gikk prisene på kulturskolen dramatisk opp i snitt, og det betyr at kulturskoletilbudet i mange kommuner i dag er et kostbart tilbud. Det ser vi dessverre også når vi ser hvilken bakgrunn elevene som går i kulturskolen, har. Det er i stor grad elever som har foreldre med utdanning eller spesielle interesser innenfor kultur. kultur. Målsettingen med de formuleringene som står i Kulturløftet II om å gjøre kulturskoletilbudet slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris, har én stor utfordring. Og det er: Hvordan skal vi sørge for at dette blir et attraktivt tilbud for alle barn, uansett sosial bakgrunn – ikke fra før, eller som har en utdanningsbakgrunn? Derfor orienterer vi nå tankene rundt kulturskoleløftet mot SFO og skolen. Det er fordi det er den arenaen der vi vet at vi når alle barn. Det er der alle barn går. Det vi nå har foreslått – de 40 mill. kr som er en del av kulturskoleløftet for 2012 – er at vi skal sørge for at den videre utviklingen av SFO innrettes tydeligere mot et formål om styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen, SFO og også ungdomstrinnet, fordi vi ønsker å stimulere til noe som var veldig viktig i Kulturskoleutvalgets innstilling, nemlig kombinerte stillinger. Flere har vært inne på her her at grunnlaget for en god kulturskole er at man har profesjonelle folk som kan undervise på kulturskolen. Med den måten å innrette dette på, gir vi et utgangspunkt for at man kan rekruttere gode folk til å drive kulturskole, og i samarbeid med SFO mener vi at det er en god start for å realisere vår målsetting om at alle barn

at det er så stor enighet om viktigheten av et godt kulturskoletilbud til alle barn og unge, og at dette kan være en viktig mestringsarena for flere barn ved siden av skolen og i samarbeid med skolen. Utfordringen er at i brevet til komiteen fra statsråden sto det at det viktigste bidraget regjeringa hadde for å sikre et godt kulturskoletilbud, var den gode kommuneøkonomien.

riktig. Det er klart at det har også gjort at rammene for kommuneøkonomien og alle andre deler av budsjettet er strammere for neste år enn det har vært på lenge. Det er viktig av hensyn til totaløkonomien. Jeg tror at kommunepolitikerne vil være opptatt av å bevare et godt kulturskoletilbud. Jeg håper at de midlene vi nå har lagt inn for å sikre flere kombinerte stillinger rundt omkring knyttet til et samarbeid mellom kulturskolen og skolen, kan være med på å styrke det tilbudet som vi kan få til lokalt, og berede grunnen for et tettere samarbeid mellom kulturskolen og skolen framover. Til statsrådens historiske tilbakeblikk vil jeg bemerke at Kristelig Folkeparti sa den gangen da kulturskolen ble lagt inn i rammen, at vi ville følge med på utviklingen. Den har, som statsråden sa, vist at prisene har gått opp. Men så er nettopp poenget at det i ettertid er gitt et løfte, som ikke er et mål, som statsråden nå har gjentatt, men et løfte. som ikke er et mål, som statsråden nå har gjentatt, men et løfte. Det skal gjennomføres et kulturskoleløft, slik at alle barn som ønsker det, får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Da vil jeg bare spørre ganske enkelt: Når man ikke ønsker en opptrappingsplan, på hvilken måte skal det løftet oppfylles på to år, fram til

17 løft i Kulturløftet II. Vi kan ikke regne med at ett av 17 punkter i Kulturløftet II kan beslaglegge alt av handlingsrom, særlig når vi nå ser at det ikke er i nærheten av noe flertall i Stortinget for å øremerke midlene til kulturskolen. Da må vi finne noen andre måter å finne disse samarbeidsarenaene på, og jeg mener at det er

Med referanse til Anne Engers 30 mill. kr ville jo Kulturskole-Norge vært kjempeglad for å få en påplussing på 30 mill. kr, som i år er null. Så der burde mulighetene ligge. Jeg må bare gjenta mitt spørsmål. Statsråden viser igjen til samarbeid med SFO. Til det er det å si at Kulturskoleutvalget, som statsråden selv satte ned, sier at man trenger lokale variasjoner og ulike løsninger på ulike steder for å få til en kulturskolesatsing. Men hvem er det som statsråden selv satte ned, sier at man trenger lokale variasjoner og ulike løsninger på ulike steder for å få til en kulturskolesatsing. Men hvem er det da som skal betale regningen når regjeringen ikke vil legge mer penger på bordet? Det blir ikke billigere av at det foregår innenfor SFO. Jeg må si at jeg stusser litt over hvor høy og mørk det går an å være i denne diskusjonen. Det er helt riktig, det ligger 40 mill. kr i budsjettet for neste år, som er til kombinerte stillinger mellom kulturskolene og SFO. Det er ikke veldig mange år siden det var 30 mill. kr i en økning på hele kulturbudsjettet, som var fest og fryd. Jeg vil gjerne se når Kristelig Folkepartis budsjett legges fram, hvor ellers innenfor Kulturløftet de har tenkt å ta penger til kulturskolen fra. Det kan bli interessant. Det som er avgjørende viktig å få til, til, er at man tenker på penger uten øremerking – for det er det ikke noe flertall for på Stortinget – til kulturskolen, hvordan en kan klare å få til noen strukturer på lokalt nivå som gjør at en får til gode samarbeidsarenaer mellom kulturskolen og skolen. Det er på den måten vi kan sikre at alle barn blir introdusert til det tilbudet som kulturskolen kan gi. Da er 40 mill. kr en første start på det, og så skal jeg komme tilbake Da er 40 mill. kr en første start på det, og så skal jeg komme tilbake til oppfølgingen. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg tror nok at kulturskolene og Kulturskoleutvalget skulle ønske at vi hadde hatt høyere ambisjoner enn mulighet til å debattere dette skoleslaget. Det er hyggelig å få debattere gode saker, men for kulturskolene handler det om å få gode rammevilkår, få god kvalitet og få mulighet til å gi et tilbud til alle barn. Statsråden var inne på historien. Ja, og – som Håbrekke sa – Kristelig Folkeparti sa den gangen at vi ville følge den utviklingen nøye. Vi har tatt til vettet og sagt at det er for store variasjoner i forhold til hvordan kommunene klarer å prioritere. Egenandelene som har vokst, og køene som er så store, gjør at vi mener at dette igjen bør øremerkes. øremerkes. Nå har SV makt i en flertallsregjering, og normalt pleier statsråden å være mer offensiv enn bare å si at her får vi ikke flertall. Så jeg håper ikke hun gir opp kampen for fortsatt å kjempe for at vi kan snu på det vi den gang gjorde. Vi i komiteen hadde besøk av en skuespiller fra kulturskolen, som het Lina Taule Fjørtoft. Hun vant et av drømmestipendene i 2011, og hun var et glimrende eksempel på at det å få til elevråd ved kulturskolene, ville ha vært kjempespennende. En medvirkning av brukerne, påvirkning fra brukernes side, ville være å inkludere enda flere barn og unge, både i demokratisk forståelse og i påvirkning. Hun pekte også på to veldig spennende prosjekter som hennes kulturskole hadde satt i gang. Det ene var talentprosjektet i Bergen kulturskole, som kanskje kan være en erstatning for den tv-talentspeidingen som barn og unge utsettes for i dag, og som kanskje har et sterkt innslag av først og fremst å henge ut folk, mer enn bare å dyrke fram talenter. Innenfor kulturskolesatsingen kan vi få en mulighet til å sette i gang små prosjekter som gjør at vi kan finne de virkelig gode talentene uten å bruke uthenging på tv som bakgrunn. Men hun viste også til at de med kulturskolesatsingen ønsket sosial utjevning. De hadde spesielle prosjekter i bydeler som hadde store utfordringer innenfor sosial utjevning, hvor de fikk dette til, men høye egenandeler og lange ventelister gjør at det er utrolig vanskelig å få dette til. Mitt mål er at kulturskolen skal være for alle ikke bare for dem som har god råd. Skal vi klare det, må vi ha en helt annen innsats fra statens side for å klare å få til et mangfoldig tilbud, og det er med sorg jeg ser at vi kanskje ikke får gjennomslag for vårt forslag, men vi kommer til å komme tilbake. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3. Kirkene i landet vårt har stor verdi både som de historiske bygg de er

Undersøkelsen viser at både staten og kommunene de siste fem årene har økt innsatsen for istandsetting og sikring av norske kirkebygg. Den økte innsatsen har gitt resultater, men fremdeles er et stort antall kirker preget av manglende vedlikehold og sikring. Riksrevisjonens rapport viser at andelen kirker med til dels omfattende vedlikeholdsmessige mangler er redusert fra 48 pst. til men fremdeles er det altså et betydelig antall kirker som er preget av manglende vedlikehold. 586 kirker er vurdert å ha utilfredsstillende tilstand. 60 pst. av disse, til sammen 354 kirker, er fredet eller vurderes å ha en særlig verneverdi. Det er altså et godt stykke frem til målet. Situasjonen må kunne sies å være Manglende regelmessig vedlikehold gjør ofte at det ekstraordinære vedlikeholdet og istandsettelsen blir stadig mer kostnadskrevende. Det har tidvis vært både branner og tyverier fra våre kirker. Riksrevisjonens rapport viser at brann- og tyverisikring av kirkebyggene generelt sett har bedret seg, men at 17 pst. av byggene fremdeles er dårlig sikret. Spesielt uheldig er det at halvparten av disse er fredet eller vurderes som særlig verneverdige. Manglende sikring kan føre til at uerstattelige kulturverdier går tapt. Alle i denne sal er kjent med at økonomien i mange kommuner er trang. Vi har forståelse for at det er en utfordring for kommunene å klare å drive et jevnt vedlikehold over tid. Noen kommuner sliter mer enn andre. Det vises her til at samtidig som flere kirkebygg er satt i stand de siste fem årene, viser altså rapporten at tilstanden på mange kirker i samme periode ikke er holdt ved like, og at tilstanden har blitt dårligere. Stavkirkene er en sentral del av vår kulturarv. Staten har iverksatt et eget stavkirkeprogram for å sette alle stavkirkene i landet i god stand innen 2015. Dette er selvfølgelig positivt. Det er et mål at alle fredede kirkebygg skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. I innstillingen ber en samlet komité regjeringen vurdere målrettede tiltak også for de andre kirkene som er fredet etter kulturminneloven, og gi Stortinget tilbakemelding om dette. Komiteen har merket seg at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet mener Riksrevisjonens rapport er relevant og nyttig i det videre arbeidet på området. Departementet trekker frem at utviklingen går i riktig retning, og at mye er gjort på kort tid. Departementet vedgår likevel at det de seneste årene har fremkommet kunnskap om at vedlikeholdet av mange kirker over tid har vært for svakt. Komiteen har også merket seg Riksrevisjonens anbefalinger i saken. Riksrevisjonen tar til orde for at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, i samråd med andre fagdepartementer, vurderer å utvikle tiltak for alle de fredede kirkene, slik det er gjort i forvaltningen av stavkirkene. Departementet peker i den forbindelse på at det har vært tradisjon for at kirkene skal forvaltes på et lokalt nivå, og at en utvanning av dette kan være med på å gjøre ansvarsfordelingen mellom lokalt og nasjonalt nivå utydelig. Riksrevisjonen er enig i at utydelige ansvarsforhold kan være med på å svekke vedlikeholdet og sikringen av kirkebyggene. Riksrevisjonen mener likevel at kirkebyggene er så viktige for norsk kulturarv at staten må ha et særlig ansvar for å følge opp at byggene blir holdt ved like og sikret. Riksrevisjonen mener Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet må påse at kommunene tar ansvaret sitt, og departementet må om nødvendig sette i verk videre tiltak når vedlikeholdsansvaret for kirkene ikke blir tatt godt nok hånd om på lokalt nivå. Komiteens flertall, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, merker seg Riksrevisjonens synspunkter og mener at denne problemstillingen bør være gjenstand for en videre drøfting. Flertallet mener kommunene fortsatt skal ha det grunnleggende økonomiske ansvaret for drift og vedlikehold av kirker, men at staten ut fra ansvaret for kulturminner med nasjonal verdi bør bidra med nødvendige statlige midler for et nasjonalt løft i sikringsarbeidet av fredede og verneverdige kirker. For øvrig vises det til innstillingen. Eg vil òg takke saksordføraren for ein veldig god gjennomgang av saka. Eg er Eg vil òg takke saksordføraren for ein veldig god gjennomgang av saka. Eg er heilt einig med han når han seier at det er viktig for kulturarven vår at kyrkjene blir tekne vare på. Det er viktig for å bevare historia, for å leggje til rette for god bruk i framtida, for lokalsamfunna, og det er viktig for nasjonen. Staten og kommunane har i dei siste fem åra auka innsatsen for istandsetjing og sikring av norske kyrkjebygg. Den auka innsatsen har gjeve resultat. Som saksordføraren nemnde, er delen av kyrkjer med til dels omfattande vedlikehaldsmanglar redusert frå 48 pst. til 37 pst., men framleis er det litt igjen å gjere. Det er eit etterslep som strekkjer seg over fleire tiår, og departementet trekkjer i sitt svar at utviklinga går i rett retning, og at mykje er gjort på kort tid. Det er sokna i Den norske kyrkja som er eigarar og forvaltarar av bygga, mens kommunane har det økonomiske ansvaret. Denne ordninga er til det beste for kyrkjeliv, lokalsamfunn og sikring av bygga i framtida. til kommunane dei siste åra gjer at dei er mykje betre rusta til å løyse denne oppgåva. I tillegg har departementet over fleire år hatt særleg fokus på kyrkjebyggfeltet. Ved finansiering av tilstandsrapportar, slik at ein kan avdekkje behovet og sjå kor ein må setje inn innsatsen fyrst, har ein kunna setje inn For dei kyrkjebyggeigarane som har betydelege vedlikehaldsetterslep, er rentekompensasjonsordninga eit godt verkemiddel. Ettersom det ikkje er krav om låneopptak for å få tilskot til ordninga, lettar det dei lokale investeringskostnadene. Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at den generelle styrkinga av kommuneøkonomien og dei målretta tiltaka mot kyrkjebygg som departementet har sett i gang, i tillegg til skapt gode resultat for kontinuerleg vedlikehald på kort tid, som Riksrevisjonen sin rapport òg viser. Partia meiner at desse ordningane vil føre til meir av den gode utviklinga som me har sett, og betre resultat for vedlikehald i framtida. Jeg synes det er riktig både å takke saksordføreren og starte med det som er positivt, og det riktig både å takke saksordføreren og starte med det som er positivt, og det er jo at det siden 2005 og fram til i dag heldigvis har vært en positiv utvikling der stat og kommune har økt innsatsen når det gjelder sikring og vedlikehold av kirkebygg. slår Riksrevisjonen fast at det er mye som gjenstår. Det mest alvorlige etter mitt syn er at det er i kirker som er bygd før 1650 – altså kirker som automatisk er fredet – i denne kirketypen, man finner den største andel av kirker med utilfredsstillende tilstander, hele 41 pst. Manglende vedlikehold over tid kan bli en svært kostbar affære. Eksemplet med Oslo domkirke, som er omtalt i saken, viser nettopp det. Mangel på planer og prioriteringer gjør det også vanskelig å drive et jevnt vedlikehold, noe som også kan bli svært kostbart over tid. Det pekes også på at manglende kompetanse i forbindelse med vedlikehold av så gamle bygg kan føre til at det øker risikoen for at vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført med tilfredsstillende kvalitet og til rett tid, som igjen kan føre til økte vedlikeholdskostnader og tap av viktige kulturminner. I Norge har vi ikke veldig mange slott og borger som står som historiske signalbygg, slik vi finner i mange andre europeiske land. Men vi har mange kirker, mange til dels svært gamle kirker, og de står der som viktige kilder til vår felles kulturhistorie. Det er slik som statsråden sier i sitt svar: «Kyrkjene formidlar kunnskap om den kristne kulturarven, om trusliv og trusskikkar Dei er blant dei viktigaste symbolberarane av stadeigen kultur og identitet, noko som reaksjonane etter om. Å sikre kyrkjebygga for framtida er ei stor og viktig oppgåve.» Dette er jeg selvfølgelig helt enig i. KA har beregnet at 10 mrd. kr må legges på bordet for å ta igjen etterslepet når det gjelder vedlikehold av kirker i Norge. Uansett hvor mye man argumenterer med at kommunene har fått økt sine vet vi at dette er summer kommunene alene ikke kan bære og bevilge. Når vi også vet at kommunegjelden har nådd historiske høyder, er muligheten begrenset for å kunne prioritere sikring og jevnt vedlikehold av kirkebygg i mange kommuner. Derfor mener Kristelig Folkeparti at staten må sterkere på banen. Vi er enig med Riksrevisjonen som sier at staten må ha et særlig ansvar for å følge opp at kirkene blir holdt ved like og sikret. Departementet må sørge for at kommunene tar hånd om sitt ansvar og om nødvendig setter i verk videre tiltak når vedlikeholdsansvaret for kirkene ikke blir tatt godt nok hånd om på lokalt nivå. På den måten er departementet også med på å minske faren for at enda flere kirker brenner ned til grunnen eller råtner på rot. Kristelig Folkeparti mener det er behov for sterkere grep for å sette i stand kirkene. Vi foreslår i vårt alternative budsjett for 2012 å øke rammen for rentefrie lån med 500 mill. kr samt å bevilge 17,5 mill. kr til sentrale tiltak for kirkebygg. Når det gjelder vedlikehold – vi vet jo at dette er svært gamle bygninger – trenger man selvfølgelig å ha kompetanse, ha kunnskap om gammel håndverkstradisjon. Kommunal- og forvaltningskomiteen var på komitéreise til Vestfold, og vi var bl.a. innom Holmestrand kommune. Der er man i gang med å renovere Holmestrand kirke – et svært gammelt bygg, det også. Der møtte vi noen unge snekkere som var lært opp i det arbeidet som måtte gjøres der. På spørsmål om de syntes dette var en interessant oppgave, kom det et unisont ja. Men når denne kirken er ferdig renovert, går disse unge snekkerne tilbake til sitt vanlige arbeid, og mitt spørsmål er: Hvordan skal vi kunne klare å ivareta den gamle håndverkstradisjonen? Mange av disse håndverkstradisjonene er i ferd med å dø ut. Her må vi ha en offensiv, slik at vi kan bevare en tradisjon som faktisk er med på å sette oss i stand til å kunne ta vare på gamle bygninger også. Det er

men de er også samlingsrom som er viktige for bønn, for ettertanke og for våre mange høytidelige seremonier. Senterpartiet er enig i og sterk tilhenger av at kirkesognene skal være eier og forvalter av byggene. Det er det beste eierskapet for både kirkeliv og lokalsamfunn, men vi er samtidig glad for at departementet har et fokus på hvordan det utvikler seg. Det er en klar erfaring at i kommunal forvaltning og i kommunal prioritering er det lett for at vedlikehold og sikring av kirkebygg taper i konkurransen om knappe økonomiske ressurser. Derfor er vi i Senterpartiet og regjeringa veldig glad for at vi har fått til en forsterking av rentekompensasjonsordningen, for bedre ivaretakelse av kirkebygg. Jeg ba om ordet for å anføre et hovedpoeng,